rekke strukturelle og økonomiske forhold. Fordelingsutvalget beskrev hvordan lønnsdannelsen, øvrige rammevilkår i arbeidslivet, bolig- og kredittmarkedet, skattesystemet og overføringene, demografisk utvikling, økonomisk utvikling og internasjonale forhold påvirker fordelingen. I Senterpartiets tradisjon og politikk ligger et fundament som innebærer en aktiv demokratisk styring av kapitalismen innenfor nasjonalstaten. Kapitalismen må korrigeres og styres for å sikre brede, langsiktige samfunnsmessige mål, som f.eks. jambyrdige forhold mellom folk og reell konkurranse i næringslivet. I denne debatten om fordelingsmeldinga velger jeg å bruke min knappe tid på arbeidsmarkedet – lønns- og inntektsdannelsen i samfunnet. Arbeidsmarkedet er det første og viktigste forhold for fordeling av økonomiske verdier mellom folk. Dersom ikke dette er organisert slik at det blir jambyrdige forhold mellom folk, vil det ikke være mulig å sikre dette gjennom økte skatter eller bedre velferdsordninger. Kjernen i det som kalles den norske modellen, beskrives av senterpartifolk som jambyrdige økonomiske, sosiale og kulturelle forhold mellom folk i ulike deler av landet. Den norske modellen tilhører den røde og grønne pol i norsk politikk. Denne jambyrdigheten som mange hyller, men som i dag er utsatt for kraftig svekkelse i det praktiske liv, er et resultat av en lang historisk-politisk debatt med ulikt partipolitisk syn på fordeling av privat eiendomsrett, innholdet i privat eiendomsrett, fordeling av verdiskaping mellom lønnsmottakere og arbeidsgivere, rammevilkår og maktforhold mellom råvareprodusenter – f.eks. fiskere, jordbrukere, skogbrukere – kontra industri og handelsledd. Jambyrdighet og å ta hele landet i bruk – desentralisering er viktig for den grønne pol i den rød-grønne regjeringa. For Senterpartiet er det f.eks. viktig å sikre og videreutvikle landsomfattende tariffavtaler i fagbevegelsen. Det er viktig å styre maktforholdene i samfunnet slik at framgang i teknologi og arbeidsproduktivitet også kommer lønnsmottakere og sjølstendig næringsdrivende til gode som økt realinntekt. Små lønnsforskjeller og tilgang til kompetent arbeidskraft oppmuntrer bedrifter til innovasjon Lokal og nasjonal knapphet på arbeidskraft er avgjørende for den norske modellen. Som følge av EØS-avtalen har vi fri bevegelse av arbeidskraft. Det utvikler seg en stadig sterkere holdning som underminerer den norske modellen, ved at stadig flere jobber eller arbeidslivsbransjer ikke anses gode nok for nordmenn. Mange nødvendige arbeidsoppgaver svekkes derfor i sosial anseelse og respekt som følge av arbeidsinnvandring, noe som i neste omgang vil begrunne enda mer arbeidskraftinnvandring. Som rød-grønne politiske ledere står vi derfor overfor et valg – enten å oppgradere disse jobbene økonomisk, sosialt og kulturelt, eller gå til fattigere land og etterspørre enda mer billig arbeidskraft til bruk i Norge. EØS-avtalen kobler vårt arbeidsmarked til det europeiske arbeidsmarkedet, med helt andre maktforhold mellom kjøper og selger. Det betyr i utgangspunktet at en norsk arbeidsgiver kan velge mellom norske og utenlandske ansatte og ansette den som er best og billigst. Fagbevegelsen er sjølsagt stadig mer på vakt ettersom den erfarer de økte negative konsekvensene. Motstanden mot EUs vikarbyrådirektiv er et glitrende eksempel. Den får nå støtte blant folk som tidligere uttalte seg svært positivt om EØS-avtalen. Fagbevegelsen arbeider – innenfor EØS-avtalen – iherdig for å beskytte sine medlemmer mot å bli rammet av det lavere lønnsnivået i andre EU-land, så ikke det skal smitte over på det norske. Vår regjering bygger ut lovverk og kontrollbyråkrati for å redusere utviklinga med sosial dumping. Likevel er det ikke til å komme forbi at fri flyt av arbeidskraft vil innebære økende makt til dem som ønsker – eller aksepterer – økte inntektsforskjeller blant folk. Dette er partiet Høyres tradisjon og varemerke. Tenk på en demning mellom to vannmasser med ulikt overflatenivå. Finnes det et aldri så lite smutthull, vil forskjellene forsvinne. Ett lands kostnadsnivå utjevnes saktere, og dermed får svake grupper i arbeidslivet dårligere realinntekt. Denne utvikling skjer over hele landet, men kanskje tydeligst i byene. I Oslo er det lett å se virkninga av at en ikke behøver å tilby arbeidsfolk en norsk levestandard for å få noen til å utføre nødvendige oppgaver. Det er tydeligvis nok å tilby folk noe bedre vilkår enn det en kan få der en kommer fra, for fattigdom er et voksende problem. Oslo er tydeligvis ikke i stand til å skaffe seg tjenesteytere innenlands. Det blir også stadig mer selskapseid jordbruksdrift, i stedet for den norske modellen – familieeie. I dette jordbruket er den samme utviklinga kommet svært langt og undergraver sjølsagt yrkesutdannelse og rekruttering fra interesserte og dyktige norske ungdommer. Fri flyt av arbeidskraft mellom land med svært ulik økonomisk situasjon og maktforhold på arbeidsmarkedet er den største trusselen mot den norske tradisjonen med jambyrdige forhold. Derfor bør dette temaet være blant de viktigste som regjeringa drøfter nøye i de dokument som oversendes Stortinget på bakgrunn av NOU, utenfor og innenfor Norges avtaler med EU. Jeg tror det var Odvar Nordli som på slutten av 1970-tallet kunne meddele det norske folk at det ikke lenger fantes fattigdom i Norge. Nå kan det være ulike definisjoner som gjør at man ser det på litt ulike måter, men jeg våger faktisk den påstand at det var sentrumsregjeringen som tok opp spørsmålet om fattigdom reelt sett i Norge på ny, da den styrte fra 1997. Det var også Bondevik II, Høyre- og sentrumsregjeringen, som la fram en ordentlig plan for å redusere fattigdommen. Det er klart at man stiller seg lagelig til når man velger å fokusere på noe som ikke lar seg fjerne med et pennestrøk. Det er ikke alltid bare snakk om politisk vilje – for å fortsette der representanten Sanner begynte, i forhold til et av regjeringspartienes ganske lettvinte omgang med dette ganske vanskelige temaet. Jeg vil benytte anledningen til å peke på det som vi som politikere kanskje

tiltak for å bekjempe barnefattigdommen. Det går på direkte målrettede tiltak, som vil medføre en bedre levestandard for dem som er mest utsatt: økt engangsstønad, billigere barnehager for fattige familier, holde kontantstøtte og barnetrygd utenfor utmålingen av sosialhjelp – meget målrettede tiltak som kunne betydd en forskjell. Det har regjeringspartiene ikke ønsket å være med på. Da blir det selvfølgelig mer ord og lite handling, men det tar vi til etterretning. Jeg er selvfølgelig opptatt av det som regjeringen og hele Stortinget har sagt, at arbeidslinjen er uhyre viktig for å bekjempe fattigdom. Men den er ikke tilstrekkelig. Det er også grupper som ikke kommer inn under denne arbeidslinjen, som trenger et sikkerhetsnett som gjør at man får en anstendig levestandard. For å nevne noen tiltak som jeg og Kristelig Folkeparti mener er nødvendige for at vi skal nå de faglige målsettinger som vi egentlig tverrpolitisk stiller oss bak, vil jeg peke på følgende, som vi fra Kristelig Folkepartis side prøver å følge opp i våre budsjetter: Det går på å etablere flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne: Det går på å gi fritak for egenandeler for helsetjenester og medisiner for minstepensjonister, uføretrygdede og kronisk syke. Det går på fritaksordning for betaling for tannbehandling for langtidssosialmottakere og deltakere i kvalifiseringsprogrammer. Det går på å normere økte sosialhjelpssatser, og det går på å sørge for bedre Vi ønsker å styrke tiltaksordninger for barn og unge i bysamfunn, og vi ønsker å øke lånerammene i Husbanken, slik at Husbankens sosiale boligbygging kan intensiveres. Jeg er sikker på at de rød-grønne også har lagt merke til at vi i vår skatteprofil ønsker å gi skattelette for dem som tjener minst, mens vi i budsjettet for inneværende år la inn skjerpelse for dem som tjener aller mest. Det tåler de godt, og det er et utmerket signal for å vise at vi ønsker et samfunn hvor forskjellene ikke skal være for store. Det er viktig for meg å si i denne sammenhengen: Det er ikke et poeng å bekjempe rikdom, først og fremst, og tro at man gjennom det bekjemper fattigdom. Det viktige er å bekjempe fattigdommen. Da må vi tillate at noen tjener bra, men også bidrar i fellesskapet. Av og til får jeg den følelsen fra den rød-grønne regjeringen og deres representanter at det er litt omvendt, at det viktigste er å bekjempe rikdommen, og så har man ikke det samme engasjementet som man hadde – vil jeg si – for å sørge for at det blir færre fattige. Men de rød-grønne kan vite at hvis de skulle ønske å komme med konkrete forslag, kanskje i revidert,

og arbeid for små forskjeller, som peker på at det å sikre flest mulig jobb med skikkelig betaling er en grunnleggende forutsetning både for små forskjeller og for å bekjempe fattigdom, at en sterk velferdsstat sikrer alle innbyggerne tilgang til utdanning, gode helsetjenester og verdig eldreomsorg, og som har et godt sikkerhetsnett for dem som ikke kan jobbe – at alt dette vil redusere risikoen for at borgerne opplever fattigdom. Det er dette vi liker å kalle den nordiske modellen, en modell som regjeringen og venstresiden det siste året har forsøkt å tilrive seg et slags monopol på å tilhøre. Sannheten er at modellen tilhører verken høyre- eller venstresiden, men gjenspeiler noen felles verdier, som representanten Sanner også var inne på – noe vi står sammen om, uansett regjering, basert på universelle velferdsordninger som er innført av ulike regjeringssammensetninger opp gjennom tidene. Det betyr selvfølgelig ikke at vi tenker likt om alt. Vi er ulike partier med ulike utgangspunkt. Venstres liberale ideologi tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Alle skal ha frihet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet, men like selvsagt er det at de som virkelig trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. Frie samfunn har gode fellesskapsinstitusjoner og et sosialt sikkerhetsnett for alle. rammer enkeltmennesker – ofte uventet og tilfeldig og av sammensatte årsaker. Venstre ønsker en stat som bekjemper sosial urettferdighet, men som er pragmatisk når det gjelder de virkemidlene som tas i bruk. Det viktigste er utgangspunkt i den enkeltes behov, ikke forsvar for reglene. Vi i Venstre kaller det å sette folk først.

I innstillingen skriver regjeringspartiene at regjeringen gjennom fordelingsmeldingen har lagt fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom. Det stemmer ikke. Det er ikke noen fornyet satsing mot fattigdom i fordelingsmeldingen, slik Venstre ser det, men det er en opplisting over det regjeringen har gjort de siste seks årene, og som beviselig har ført til flere fattige barn og barnefamilier – ikke færre. Det er heller ingen fornyet satsing fra regjeringspartiene. Sannheten er at det ikke fremmes ett konkret forslag verken i meldingen eller i innstillingen. Det er et par ting jeg undres over: Det er bemerkelsesverdig at det enkelttiltaket som nær sagt alle som var i komiteens høring påpekte som det viktigste, nemlig Heller ikke det svært forsiktige forslaget fra Fordelingsutvalget om at de veiledende satsene for sosialhjelp burde følge lønnsutviklingen i samfunnet ellers, har fått gehør hos flertallet. Det andre er flertallets innstilling til at skattesystemet skal brukes til omfordeling ved at de med høyest inntekt skal betale prosentvis mer i skatt, mens det skal være nøyaktig den samme barnetrygd om familieinntekten er 300 000 kr eller 3 mill. kr, eller den samme prisen for eller den samme prisen for barnehager og SFO. I mitt hode er dette ulogisk – også ulike velferdsordninger bør brukes aktivt for å gi økt fordeling og til og med bekjempe fattigdom.

bedre muligheter til å få utdanning, arbeid, en trygg bolig og god helse. Derfor satser vi på omfattende fellesskapsløsninger, et godt sosialt sikkerhetsnett, et godt utdanningssystem og et godt utdanningssystem for alle. Noe av det viktigste i dette er at trepartsamarbeidet og de som deltar i organisasjonene i arbeidslivet, har sørget for at de som

en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer lav ledighet og høy yrkesdeltakelse. I tillegg må vi kvalifisere, utdanne og utvikle arbeidskraften og ha et arbeidsliv der alle gis muligheter, for det er avgjørende for jevn fordeling i framtiden. Det er grunnen til at vi har satset på utdanning og et inkluderende arbeidsliv. så jeg skal spare mine synspunkter til den – det handler om kapitalinntekter, formuesskatt, og det som har skjedd etter 2005, som har gitt en jevnere inntektsfordeling gjennom omfordelinger i skattesystemet. I mange år har andelen av befolkningen som har inntekt under Den har holdt seg stabil til tross for at økende innvandring har gitt et betydelig påfyll nederst i inntektsfordelingen. Det har sammenheng med at mange kommer seg ut av fattigdom etter få år. Blant annet opplever mange innvandrere god inntektsøkning etter noen år i Norge. Det er også gledelig at forekomsten av lavinntekt blant innvandrere har gått ned siden 2004. Men fordi innvandrere totalt sett har blitt flere, har antallet innvandrere med lavinntekt økt. Derfor blir integreringspolitikken viktig framover. Selv om andelen med lavinntekt i befolkningen er den samme, er nå sammensetningen av gruppen lavinntekt en annen, med færre pensjonister og Men samtidig har familier med lavinntekt økt. Det er en viktig utfordring. Unger har krav på trygghet, gode oppvekstvilkår og gode muligheter for utvikling. Å gi alle unger like muligheter til en god start i livet bidrar til sosial mobilitet. Derfor retter vi en særlig innsats mot ungene gjennom satsing på barnehager, skoler, en aktiv fritid og et godt barnevern. Det er ingen tvil om at den beste forsikringen mot fattigdom er deltakelse i arbeidslivet. Det er det bred enighet om. Innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv, sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede og særlige tiltak for å hjelpe flere innvandrere inn i arbeidslivet er en viktig del av innsatsen mot fattigdom. Jevn fordeling er en verdifull kvalitet ved det norske samfunnet. Det er en kvalitet vi vil verne om, men det kommer ikke av seg selv, det krever kontinuerlig oppmerksomhet og innsats. Regjeringens melding gir et godt grunnlag for dette arbeidet. Samfunnet og fellesskapet skal være så sterke at mennesker ikke behøver å frykte for å bli svake: Det kan være et viktig utgangspunkt i det arbeidet at vi stiller opp for hverandre i det nære og gjennom et sterkt fellesskap og bidrar gjennom fellesskapsløsninger, at vi får til en god balanse mellom egenansvar og fellesskapets ansvar, at vi får en god balanse mellom generelle ordninger og målrettede tiltak, at vi får en god balanse mellom arbeidslinjen på den ene siden og fattigdomsfeller på den andre siden, kan gjøre at folk

Stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Dette er ofte familier som lever av offentlige overføringer. 81 pst. av barna som lever i en fattig husholdning, har innvandrerbakgrunn. Tall fra ulike instanser viser at familier som lever av stønader, jevnlig sender penger til slekt og venner i opprinnelseslandet. For somaliere gjelder dette 74 pst. Totalt sendes flere milliarder stønadskroner ut av landet hvert år. Med andre ord: Penger fra spleiselaget fordelt på fattige familier i Norge, slik at disse skal kunne gi sine barn en trygg og materielt sett god oppvekst, ender som ukontrollert bistand til andre land. Mener finansministeren dette er god bruk av skattebetalernes penger? Dersom ikke, hva vil finansministeren foreta seg for å hindre at ulike overføringer ikke ivaretar intensjonen? For det første er det viktig at mennesker skal ha muligheter for en trygghet gjennom deltakelse i arbeidslivet. Derfor er integreringspolitikken viktig. For det andre er det slik at de som ikke er i stand til å forsørge seg gjennom egen inntekt, også skal ha trygghet for at de har til livsopphold, slik at de skal kunne ha et godt liv i den sammenhengen. Det vil alltid være slik at mennesker, enten det er innvandrere eller andre, andre, kan føle solidaritet og ansvar for sine egne, foreldre og andre. Det er ikke uvanlig i et samfunn at du f.eks. hjelper dine foreldre, som man også ser er tilfellet hos innvandrere som sender penger til sine foreldre i utlandet. Det er en del av den nestekjærligheten som jeg synes det er viktig å ta vare på. Så må vi i tillegg ha ordninger som gjør at vi kan kontrollere inntektsstrømmer inn og ut av Norge på en god måte, men det er en annen debatt. Det er til syvende og sist resultatene man skal måles opp mot. Jeg redegjorde i mitt innlegg for fire punkter hvor regjeringen ikke har ved rusbehandling har økt, og man har ikke lyktes med å kompensere for sosiale forskjeller mellom elevene i skolen. Det er resultatet etter snart syv år med rød-grønt styre. er om man ved utløpet av denne stortingsperioden vil oppleve færre fattige barn, færre bostedsløse, kortere ventetider for dem som har behov for rusbehandling, og at skolen i større grad lykkes med å kompensere for sosiale forskjeller. Jeg er enig i at det er resultatene som teller i politikken. politikken. I løpet av denne perioden har det blitt 250 000 flere sysselsatte. Det aller viktigste bidraget med hensyn til barnefattigdom er å få mennesker ut av lavinntektsfeller, få mennesker ut på en slik måte at de kan sikre seg et godt utkomme for seg og sine. Det er det aller viktigste. Så er det utfordringer på en lang rekke områder som vi skal ta tak i. Ja, vi skal sørge for at rusmiddelbrukere skal få et bedre liv, og at mennesker skal få en større mulighet for å mestre sitt liv: Men jeg holder fast ved at det viktigste resultatet av vår politikk er at flere kommer i jobb, at vi har økt sysselsettingen med 250 000. I perioden 2001–2005 var det bare en tiendedel økning i Presidenten vil tillate at representanten Sanner får en replikk nummer to. Jeg registrerer at statsråden ikke svarte på mitt spørsmål, men heller skrøt av at det er blitt flere sysselsatte. Men det hjelper jo ikke at det blir flere sysselsatte når man ikke øker Realiteten er at den økte sysselsettingen ikke engang kompenserer for at vi er blitt flere som er i arbeidsfør alder. Hvis man ser på sysselsettingsprosenten – hvor mange som faktisk er i arbeid i arbeidsfør alder – har den stått stille siden 2005. Blant funksjonshemmede har den gått ned siden 2005. Jeg må nesten få lov til å gjenta Når det gjelder de konkrete resultatene, vil vi se færre barn som lever i fattige familier, vil vi se færre bostedløse, vil vi oppleve kortere ventetider for dem som har behov for rusbehandling, og vil skolen i større grad oppleve å kompensere for sosiale forskjeller? Jeg skjønner godt at representanten Sanner gjør det han kan for å prøve å minimalisere den sterke veksten vi har hatt i sysselsettingen.

med integrering. Vi skal jobbe videre med frafall i skolen. Vi skal jobbe videre med å skaffe flere læreplasser til dem som vil lære seg et yrke og vil ut i arbeidslivet. Det er en viktig del av politikken. Så får vi måle resultatene når vi kommer til slutten av denne perioden. Men det er én ting jeg er ganske trygg på, og det er at Høyres politikk, som er et angrep på fellesskolen – gjennom økt privatisering av skoleverket – tror jeg er å gå i motsatt retning. Det må statsråden i så fall komme tilbake til. Det kunne være fristende å si at hvis man gjør det for dyrt å gå på privatskoler, er det i hvert fall ikke noe godt bidrag. Og dit er regjeringen på god vei. Ellers er jeg enig med statsråden i at livskvalitet kan være så mangt – det er ikke bare snakk om kroner og øre. Vi ser med forventning fram til ytterligere indikatorer som kan bidra til å måle våre verdier i dette samfunnet i mer enn BNP. Det vet han at Kristelig Folkeparti har tatt opp mange ganger i denne sal. Men til det konkrete, for det kommer vi ikke utenom. Min påstand er at det vi absolutt bør gjøre noe med, og som peker langt utover et budsjettår, er barnefattigdom. Vi har fra Kristelig Folkepartis side foreslått tre områder hvor vi kan gjøre noe i fellesskap, bl.a. når det gjelder engangsstønad og barnehagesatser. Vi har fått et klart nei fra regjeringens side. Er ikke dette prioritert? Når det gjelder utviklingen av livskvalitetsindikatorer, skal vi jobbe med det, i tillegg til dem som allerede er i nasjonalbudsjettet, i kapittel 3. Det blir et viktig område framover. Representanten Syversen har tatt opp noen konkrete forhold. Til sosialhjelpssatser: Det som er viktig her, er at dette er en kommunal ytelse. Det jeg er redd for, er hva det vil kunne bidra til dersom en vedtar f.eks. nasjonale minstenormer. Én ting er det kommunale selvstyret, det andre er at en kan stenge folk inne i fattigdomsfeller. Men det at folk gjennom sosialhjelpen skal ha en mulighet til å klare seg på en god måte, er viktig. Når det gjelder barnehagesatser, har kommunene allerede i dag en mulighet til å gradere barnehagebetalingen. I retningslinjene står det at kommunene skal ha slike ordninger på plass. Jeg tar imot den invitasjonen som representanten Syversen hadde. Vi får prate videre om disse spørsmålene. I forlengelsen av representanten Syversens spørsmål og

de som har 3 mill. kr i inntekt, ofte de samme satsene. De mottar det samme tilskudd fra staten i barnetrygd, og de samme familiene skal motta nøyaktig de samme subsidiene i form av maksimalpris knyttet til oppholdstillatelse i barnehager og i SFO. Hva mener finansministeren om dette? Når det gjelder satsingen på tiltak for barnefamilier de siste årene, har vi i denne regjeringen prioritert tjenester. Det betyr at tjenester. Det betyr at en har hatt en kraftig utbygging av barnehagesektoren – og deriblant ordningen som gjelder betalingen i barnehager. Prisene blir lavere for hvert år når det gjelder barnehager. Det å holde barnehageprisen nominelt uendret utgjør om lag 400 mill. kr årlig.

ulike sider i saken. Først: Jeg forstår at noen synes det blir krevende når vi skal snakke om resultatene i et land som Norge. Hva er fakta? Etter min mening er det samfunnet som har utviklet seg i Norge gjennom mange tiår, et samfunn som økonomer, både i Norge og i resten av verden, ikke trodde det skulle være mulig å skape. Det er et samfunn som i bunnen baserer seg på en markedsøkonomi, en frihetstankegang, som motoren i både næringsliv og verdiskapingen. Men den er ikke uhildet eller – skal vi si – ikke-styrt, for den fungerer i samkvem med sterke organisasjoner i arbeidsliv i tredje sektor og en sterk stat. Når man kombinerer det beste fra de tre forskjellige verdenene, får vi det som mange kaller den nordiske eller den norske modellen, der vi har, etter økonomenes forgodtbefinnende, for høye skatter, altfor stor grad av omfordeling, en for sterk for sterke rettigheter for vanlige folk. Da skulle det ikke være mulig å skape et slikt velstandssamfunn som det Norge har utviklet seg til å bli. Det er motbevist. Nå har pendelen snudd. Nå er det mange økonomiske miljøer, både i Norge og i resten av verden, som vender blikket mot Norden, mot Norge, for å se på hvordan denne økonomisk-politiske modellen har fått utvikle seg gjennom mange år, som har skapt det som for de aller, aller fleste er en enorm velstandsøkning materielt. Men – og det er her jeg kommer til poenget – det har også skapt et land der forskjellene tross alt er små, i internasjonal sammenheng. Det omfordeles i en helt annen grad enn i andre deler av verden, og andelen med lav inntekt er lav. Det betyr ikke betyr ikke at Kristin Halvorsen ikke hadde rett da hun sa det er et spørsmål om politisk vilje. Det var det hun sa. La meg bare forsvare min utmerkede kollega, som også satt i finanskomiteen, den tidligere finansministeren, for hun sa aldri at det kunne fjernes med et pennestrøk – det er ingen som har klart å finne det sitatet. Men hun sa at det var snakk om politisk vilje. Og er det noe dette Stortinget har anstrengt seg for – og da mener jeg på tvers av mange partier opp gjennom årene – så er det å prøve å gjøre et eller annet

Så sier noen, også i innstillingen, at regjeringspartiene er mer opptatt av å bekjempe rikdom enn å bekjempe fattigdom. Det må jeg si – med all respekt – det er ikke riktig. Hva skulle være alternativet? Blir det færre fattige av at de rikeste i Norge ikke bidrar til

den klare sammenhengen, som er meget godt uttrykt i fordelingsmeldingen som finansministeren la fram, nemlig at det er en sammenheng mellom i hvor stor grad omfordelende samfunnet er, hvor stor likhet det er i samfunnet, og i hvor liten grad man har lavinntekt. Det viser meldingen veldig tydelig. Fordelingsmeldingen er en fin oversikt over regjeringens fordelingspolitikk og

enkelte grupper. Det er i dag en utfordring for ungdom å komme seg ut i arbeidslivet om de ikke har fullført videregående skole. Ny GIV er et godt tiltak, men her må en følge nøye med på resultatene. De som ikke fullfører skolen i det hele tatt, er veldig De vil også ha problemer med å få de jobbene som ufaglærte gjerne fikk før på bensinstasjoner og i dagligvarekjeder, der studenter og folk med fagbrev gjerne går foran i dag. Da kan veien til varig trygd bli kort eller bli et langt løp med sosiale tjenester og et liv i fattigdom. Det beste vi kan gjøre for ungdommene, er å få dem kvalifiserte til arbeid på sitt vis. Arbeids- og velferdsetaten har en rekke virkemidler for å få folk i arbeid. Det er oppfølging av dem som er sykmeldte, oppfølging av dem som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, lønnstilskudd, tidsubestemt lønnstilskudd, arbeid med bistand, Disse må ikke bli en sovepute for å få folk ut i sitt eget liv. Vi kan tenke oss tanken at vi selv har en arbeidspraksisplass over lengre tid – da vil drømmen om fast arbeid og egen lønn for egen innsats melde seg. Jeg ønsker meg et samfunn der flere arbeidsgivere er med og tar et samfunnsansvar og har ulikhetene ansatt hos der flere arbeidsgivere er med og tar et samfunnsansvar og har ulikhetene ansatt hos seg. Det er flere arbeidsgivere som er flinke til dette i dag, men her har vi en jobb å gjøre. Fattigdom er flere ting. Det viktigste redskapet vi har for bekjempelse er arbeid. Jeg kjenner en dame som er enslig og har en sønn. De to har bodd sammen i mange år alene, så langt tilbake Hun var flere år utenfor arbeidslivet. Sønnen hennes, som gikk i barnehage med guttene mine, sa alltid når jeg skulle hente guttene mine: Laila, du er så veldig glad, du. Det var gøy å høre at en gutt syntes jeg var glad, men jeg gjorde meg også noen tanker. Jeg visste at moren hans lå på benken hjemme, på sofaen i stua, utenfor aktivitet og utenfor arbeidslivet. Stønadsordningene til moren gikk på hell, og hun begynte å jobbe. Fra sidelinjen kunne du se en mamma som blomstret opp. Den lille familien fikk seg etter hvert en liten hvit Honda, gutten begynte i en av byens fotballklubber, og han strålte på en annen måte når jeg traff ham. Han fortalte om sine opplevelser i stedet for at han fortalte meg hvor glad jeg var. Alle barn blir rikere om de har foreldre som er i arbeid – ikke bare økonomisk, men vi foreldre får en annen dimensjon med oss hjem. Alle barn skal ha rett til opplevelsen av å delta i en fritidsaktivitet. Hvis ikke foreldrene har råd til dette, høres det i denne salen i dag ut som om det ikke finnes ordninger. Det er en rekke ordninger, men disse brukes ikke godt nok. Dette må vi følge opp. Folketrygdloven er på rundt 800 sider. Den er både et vitnesbyrd og et resultat av 100 års aktiv utbygging av sosial trygghet – et bevis på den bæresøylen folketrygden er i samfunnet vårt. Her kan vi ikke bare velte dette ved å gjøre kjappe, kvikke vedtak.

sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. At samfunnet kjennetegnes ved jevn fordeling, er et viktig mål i seg selv. At godene fordeles jevnt mellom oss, oppleves rettferdig og bidrar til sosial stabilitet og samhold. Gjensidig tillit på tvers av generasjoner, geografi og grupper er gode verdier å bygge samfunnet på. Universelle velferdsordninger gir like muligheter og er viktig for middelklassens oppslutning om samfunnsmodellen. Målt med Gini-indeksen er inntektsfordelingen i Norge jevnere enn i de fleste andre land, og forskjellene i Norge er redusert de siste seks årene. Blant dem med vedvarende lavinntekt er enslige forsørgere, unge aleneboende og mennesker med innvandrerbakgrunn overrepresentert. Til tross for finanskrisen har norsk økonomi vært god i perioden. Det er skapt en kvart million nye arbeidsplasser. Lav ledighet har bidratt til bedre fordeling. Lav ledighet og høy sysselsetting er avgjørende både for nasjonaløkonomien, husholdningenes økonomi og omfordeling. Et viktig bidrag til lav ledighet er trygg økonomisk styring som tar hensyn til rentenivå, kronekurs og konkurranseevne. Man kan ha flere tilnærminger til sammenhengen mellom Men det er mye som tilsier at jevn fordeling bidrar positivt til økonomisk vekst. Jevn fordeling kan bidra til å opprettholde etterspørsel i nedgangstider og redusere svingninger i økonomien. I Dagens Næringsliv 18. juni 2010 var professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo inne på et annet perspektiv, nemlig at den europeiske gjeldskrisen krever pensjonsreformer og innstramninger. Hvis forskjellene i samfunnet allerede er store og økende, kan nødvendige reformer framstå som urimelige og være mindre gjennomførbare. Både overføringer og skattesystemet påvirker fordelingen. Universell tilgang til helsevesen og utdanning kan bidra til økt produktivitet, i tillegg til jevnere fordeling. Økt minstepensjon har redusert forskjellene. God tilgang til utdanning bidrar til å få fram talenter, og til at flere, uavhengig av sosial bakgrunn, får mulighet til å virkeliggjøre sitt potensial. Økonomisk ulikhet skaper ulikhet i helse. At marginalskatt på arbeid betyr mer for arbeidstilbudet for dem med lav arbeidsinntekt enn for dem med høy arbeidsinntekt, er et argument for at progressive skattesystemer bidrar til både økonomisk vekst og omfordeling. Gjennom skattereformen 2006 utjevnet man marginalskatt på arbeid og kapital. Reformen ga dermed både et bedre skattesystem og gode fordelingsvirkninger. De siste årene er det også gjort betydelige endringer i formuesskatten, med høyere bunnfradrag og mer rettferdige verdsettingsregler for bolig. I sum har dette bidratt til å gjøre skattesystemet mer progressivt. Tidligere var skattesystemet regressivt for tidelen med høyest inntekt. Boligmarkedet påvirker fordelingen på flere måter. Husholdningenes gjeld henger mye sammen med boliglån, og svingninger i rentenivå påvirker dermed fordelingen. Økte boligpriser gir økte forskjeller mellom dem som eier og dem som i favør av dem som eier. God fordelingspolitikk krever helhetstenkning og brede strategier. Sammen med velferdspolitikken og skattepolitikken er også boligpolitikken blant de viktige områdene som påvirker fordeling, forskjeller og fattigdom. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Å bekjempe forskjeller er viktig når det gjelder både penger og makt, fordi vi skaper mer når det er når det gjelder både penger og makt, fordi vi skaper mer når det er små forskjeller. Det gir mer trygghet og tillit mellom folk i samfunnet. I arbeidslivet skapes verdier. Penger fordeles, og makt fordeles hvis vi sikrer sterke organisasjoner som ivaretar vanlige folks interesser og rettigheter. Det er grunnen til at Norge er blitt et godt samfunn. Det er riktig at arbeidslivet er viktig, og at svært mange flere av dem som står utenfor arbeidslivet i dag, kunne kommet inn hvis vi gjorde ting bedre enn vi gjør i dag. Men jeg vil allikevel advare sterkt mot å tro at alt kan løses gjennom arbeidslinjen. Vi er også nødt til å sikre dem som ikke kan få jobb fordi helsa svikter, eller fordi de har store problemer. Derfor vil jeg advare sterkt mot de angrepene jeg ser på velferdsytelsene som skal forsørge syke og utslitte folk som ikke kan jobbe mer. Det er da vi skaper fattigdom. Problemet med høyrepartiene – og da mener jeg ikke Kristelig Folkeparti – og deres angrep i dag er ikke at det ikke ikke er barnefattigdom, og at den har økt. Problemet er at all politikken de ønsker å føre, vil gjøre det verre. Det er altså ikke lenger siden enn før jul at vi behandlet ny uføretrygd. Da foreslo også partiet Venstre, som i dag har mange forslag om redusert barnefattigdom, kutt i barnetilleggene til de fattigste barnefamiliene – til folk som er for syke til å være i jobb. Da blir det flere fattige barn. Høyre og Fremskrittspartiet foreslo å ta 1 mrd. kr fra de enslige forsørgerne, som er den andre gruppen av fattige barnefamilier – 1 mrd. kr i ett jafs. Dette er penger de kunne brukt mens de utdannet seg og kvalifiserte seg til arbeid. Vi ser at de som gjør det, kommer ut av fattigdommen. Problemet er at kritikken kommer fra angriper det som disse familiene skal leve av. Jeg har to rapporter her; jeg får tid til bare den ene nå. Det er Navs rapport, som sier noe om hvordan det er å leve med lite penger. I den står det: «Å leve i fattigdom fører heller til passivitet, marginalisering og isolasjon enn til økt aktivitet.» Arbeid lønner seg.

forbli i den. Så vi har mye igjen å gjøre. I dag kom det nye ledighetstall. Resten av Europa sliter. Ledigheten her er på 2,6 pst. minus 9 pst. fra i fjor. Dette kommer ikke av seg selv, men er resultatet av en målbevisst politikk fra regjeringen. Arbeid er det viktigste virkemiddelet i kampen mot fattigdom og sosiale

Vi har unngått sosial uro og sterke motsetninger i befolkningen. Det må vi fortsette med. Det er i alles interesse, selv om Fremskrittspartiets talsperson, Tybring-Gjedde, ikke ser ut til å ha tatt det poenget. Meldingen understreker rask bosetting, kvalifisering, opplæringstilbud i skolen, språk og samfunnskunnskap som helt grunnleggende for integrering og økonomisk selvstendighet blant innvandrere. «Ny sjanse» videreføres med særlig fokus på innvandrerkvinner. Det er bra, og vi får muligheten til en enda mer konkret debatt om målrettede virkemidler i den varslede integreringsmeldingen. Individuell tilrettelegging må stå sentralt i den debatten. Innvandrere er nemlig like forskjellige som alle andre. Mange innvandrergrupper er mer utdannet enn resten av befolkningen, som filippinere, polakker, russere, indere og unge fra Iran og Kina. Dårligst ut kommer personer fra Somalia, Pakistan, Thailand og Tyrkia. Motsatt ser vi at unge med innvandrerforeldre fortsetter på videregående skole og deltar i yrkeslivet som andre, men samtidig bor over 30 000 innvandrerbarn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det har en tendens til å gå i arv. Det er store kjønnsforskjeller, spesielt blant ikke-vestlige. Innvandrermenn har det bedre enn innvandrerkvinner. Sju av ti lengeboende pakistanske kvinner står helt utenfor arbeidslivet. arbeidslivet. Årsakene er flere, sosial kontroll, kjønnsroller, mange barn, dårlig språk, lav utdanning og diskriminering. Tiltak for dem gir bedre velferd for barn. Drammens Tidende hadde nylig en flott artikkel om ti innvandrerkvinners drøm for livet i Norge. Det var alt fra jobb i ambulanse, lege, sosionom, eget firma til en 50 år gammel pakistansk kvinne som for første gang fikk egne penger i forbindelse med en sommerjobb ved tøysentralen på Drammen sykehus. Hun hadde også en drøm: Jeg vil ut av kjøkkenet og finne en jobb, aller helst på tøysentralen, med trivelige kolleger og en aktiv arbeidsdag. Jeg håper å få en praksisplass i første omgang. Det bør hun få, til beste for seg, familien og verdiskapingen i samfunnet som

Jo, vi kan faktisk fordele oss til velstand. Det er dette klassekompromisset som kalles den nordiske modellen. Samfunn med små forskjeller er de mest produktive. Effekten av økonomiske incentiver er sterkt overdrevet og har den samme virkningen som narkotika: Du må ha stadig mer av det. Små forskjeller virker produksjonsfremmende, samtidig som folk får det bedre. Det er dette Wilkinson og Pickett dokumenterte i boka «The Spirit Level». Level». Vi kan gå til den norske professor Ottar Hellevik som i sine monitorundersøkelser viser at det er de med størst inntekt som har størst tendens til å mene at de har mindre enn andre, og være mest misfornøyde. Likheten mellom narkotika og ulikhet er også at har du først begynt på den galeien, er det krevende å slutte – det akselererer. akselererer. Det er det vi har sett i den vestlige verden de siste 20 åra. Det er dette som skapte finanskrisa, som like gjerne kan kalles en ulikhetskrise med opphopning av formue på få hender og en stagnasjon og tilbakegang hos flertallet, mens Norge under den rød-grønne regjeringa er et bemerkelsesverdig unntak. Vi har snudd trenden, og SV mener at vi bør ha ambisjoner om å snu trenden enda at folk i Norge og i Europa vil ha mer likhet. At fordeling også er nøkkelen til å bekjempe fattigdom, er åpenbart. Fattigdom er et relativt begrep. Det handler om at du ikke har råd til de tingene som andre betrakter som en selvfølge, om mennesker som marginaliseres fordi andre stikker av med rikdommene. Fattigdom er utenforskap. Driverne for økt fattigdom er økte lederlønninger og økte kapitalinntekter. Sånn skapes relativ fattigdom, som må bekjempes. Samtidig må vi sørge for å øke andelen til dem som har lavest inntekt. Det handler om å få folk i jobb, men det handler, som flere har sagt, også om å ta godt hånd om dem som ikke kan jobbe. Jeg deler ikke bekymringen for at vi har så mange på trygd. Det viktige er jo at vi har mange som jobber. Resten handler bare om hvordan vi sikrer velferden og de er færre i vårt samfunn enn i de fleste andre land. For to år sidan lanserte NHO og Bernander slagordet Det er eit slagord som spreier falske mytar, eit slagord som spreier mytar om at moderate forskjellar og ein god velferdsstat er ein trussel mot verdiskaping og mot innovasjon. Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti bidreg til dei same feilaktige mytane når dei i innstillinga hevdar at regjeringa satsar for sterkt på fordelingspolitikk i skattepolitikken, og at det er eit problem for verdiskapinga. Men det er å setje problemstillinga fullstendig på hovudet. Det er ikkje sånn at det er moderate forskjellar og ein god velferdsstat som er problemet for verdiskaping og innovasjon. Det er nettopp den fordelingspolitikken der skattepolitikken er viktig, som er grunnlaget for den norske modellen, for den nordiske modellen, som har klart seg veldig godt gjeld både produktivitetsutvikling og verdiskaping. Det er moderate forskjellar og eit egalitært samfunn som gjer at vi har ein effektiv arbeidsstokk, sjølvstendige arbeidarar og godt samarbeid på alle nivå i ei bedrift. Det er nettopp det som er konkurransefortrinnet for norsk arbeidskraft, og som gjer at vi klarer oss i den internasjonale konkurransen. Vi såg det bl.a. tydeleg i Nordsjøen,

Ein effektiv velferdsstat er også eit godt grunnlag for innovasjon. Det frigjer ressursar å ha ein trygg velferdsstat og gode velferdsordningar å byggje livet sitt på. Eg var saman med Erna Solberg og Trine Skei Grande i ein debatt for vel to år sidan, der bl.a. årets kvinnelege gründer presenterte bakgrunnen for at ho var der ho var. Då var det kanskje mange som trudde at ho skulle seie noko om det veldige skattetrykket i Noreg. Nei, det ho sa, var at hadde vi ikkje hatt full barnehagedekning i Noreg, så hadde ho ikkje stått der ho stod i dag – då hadde ho ikkje vore gründer i dag. No er det på tide at vi sluttar å snakke om velferdsfella, vi må snakke om velferdsspringbrettet. Vi må dele for å skape.

gjennom hele livet, mest mulig uavhengig av etnisitet, kjønn, alder, kunnskaps- og ferdighetsnivå, økonomi, arbeidslivstilknytning og geografi. Et grunnleggende element i SVs kunnskapssyn er nemlig at alle skal ha tilgang til gratis utdanning, kunnskap og forskning. «Ulike mennesker – like muligheter» og «Del godene», i dette tilfellet utdanningsgodene, er gode

Derfor bør utdanninger primært være åpne. Det skal være lett å komme inn, men sjølsagt skal det være krevende nok å gjennomføre og komme kompetent ut. Særlig er det viktig at vi får mer på stell når det gjelder våre innvandrere og ikke minst arbeidsinnvandrere. La oss ta varmt imot dem, offensivt gi dem god, gjerne yrkesrettet, norskopplæring,

må legge til grunn, hva slags kunnskapssyn et moderne samfunn må legge til grunn, for rett og slett å ikke bare være en god velferdsstat, men også bli en god verdiskapingsstat. Vi er på rett veg, men vi må senke kostnadene ved å studere, vi må styrke rettighetene og pliktene til utdanning med lønn på arbeidsplassene og i arbeidslivet, og ikke minst må Nav-systemet få på plass en likeverdighet mellom arbeidslinja og utdanningslinja.

I dag får vi bevist hva folk er mest imot. Regjeringa er mest imot rikdom, Tybring-Gjedde er mest imot innvandring, Venstre er mest imot fattigdom. «Hva er fakta», sa Torgeir Micaelsen, og fulgte opp med: «Etter min mening er …». Jeg mener at når man skal forholde seg til fakta, skal man ikke forholde seg til en mening, men til fakta. Nå kommer jeg med et faktum. Faktum er at det er blitt flere fattige barn under denne regjeringa. Det burde vært hovedfokuset. Det er Venstres hovedfokus. For å bekjempe barnefattigdom er det viktig å ha en skole som faktisk utjevner forskjellene. Til det har vi lagt inn en rekke forslag. I valgkampens innspurt var det mange som snakket om fattigdom, spesielt blant barn. Vi inviterte til et bredt forlik for å bekjempe fattigdom, spesielt barnefattigdom. Lars Sponheim tok til orde for det i en av de siste debattene han var med i her. Det første forslaget Venstre la fram da denne stortingsperioden begynte, var forslaget om å bekjempe barnefattigdom. Da fikk vi beskjed om at det var hyggelig, og at det var mange gode forslag, men vi skulle vente på fordelingsmeldinga. Vi har lagt fram mange forslag hele tida og fått beskjed om at vi skulle vente på fordelingsmeldinga. I valgkampen sto jeg en rekke ganger og diskuterte fattigdom, der alle partier var for SIFO-satser på sosialhjelp. Det forsvant. Det er morsomt at Holmelid faktisk husker en valgkampdebatt, for det trodde jeg kanskje regjeringspartiene hadde glemt. For de aller fleste lovte i valgkampen at de skulle holde seg til SIFO-satser når det gjaldt sosialhjelp. Det er det bare

Venstre har i dag lagt fram 25 forslag, og så får vi se om man er villig til å vise vilje, eller om man bare vil ha en

innsats. Fordelingsmeldinga er på mange måtar ei folkehelsemelding i praksis. Fordelingsutvalet slo fast at tilknyting til arbeidslivet er den viktigaste enkeltfaktoren som hindrar låginntekt, og at tidleg førebygging er det mest effektive tiltaket for å sikra den tilknytinga for flest mogleg. Tidleg førebygging er nøkkelen til betre fordeling og dermed betre helse i befolkninga.

Ein effektiv måte å driva tidleg førebygging på er å endra rammevilkåra for helserelatert åtferd, dvs. å ta i bruk strukturelle verkemiddel. Det kan vera å byggja sykkelvegar, auka avgift på tobakk og usunn mat, eller forbod mot røyking på serveringsplassar. Slike strukturelle verkemiddel har dokumentert effekt, og vi har gode tradisjonar i Noreg for å ta i bruk strukturelle verkemiddel Men innanfor ernæring, fysisk aktivitet og psykisk helse har vi ein langt svakare tradisjon for å bruka sterke og effektfulle tiltak. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal gjera det same på ernæringsområdet, som vi i dag har gjort på tobakk- og alkoholområdet – å bruka avgiftssystemet for å gjera sunn mat billegare og usunn mat dyrare, t.d. ved å justera sukkeravgifta. Vi må òg vurdera restriksjonar på marknadsføring av usunn mat, spesielt overfor barn og unge. Utviklinga i dag er slik at kosthald og fysisk aktivitet på mange måtar er i ferd med å bli det neste store klasseskiljet – eit klassespørsmål. Det meiner eg vi ikkje kan tillata, vi må bruka politikken til å leggja til rette for dei sunne

Det er all mulig grunn til å glede seg – som finansministeren også gjør – over lav arbeidsledighet. Men det er et ubestridelig faktum at sysselsettingsprosenten er nøyaktig den samme i dag som det den var i 2005. Siden finanskrisen slo til, har sysselsettingsprosenten gått Siden 2008 har de aller fleste arbeidsplassene kommet i offentlig sektor. Det er også en realitet at sysselsettingsprosenten blant personer med funksjonshemming har gått jevnt og trutt ned siden 2006. Dette er utfordringer man må ta tak i, hvis man skal sikre arbeidslinjen også i årene som kommer. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å bruke noe særlig tid på SV, for det virker som om partiet er i ferd med å forberede seg på en tilværelse i opposisjon. I hvert fall høres representanten Karin Andersen ut som en opposisjonspolitiker og virker i liten grad beredt til å ta ansvar for egen politikk. Andre SV-ere virker som om de sitter fast i den gamle klassekampdebatten, i stedet for å se på hva som er de nye klasseskillene i det norske samfunn. De nye klasseskillene går mellom dem som er i jobb, som har tilknytning til arbeidslivet, og den økende gruppen som på varig basis er utenfor arbeidslivet, ikke fordi man er syk og ikke kan jobbe, men fordi man mangler grunnleggende ferdigheter. Til slutt: Finansministeren sa i replikkordskiftet med meg at var det én ting som var sikkert, så var det at Høyres privatisering av skolen ikke var løsningen. Men Høyre har aldri foreslått å privatisere skolen – aldri! Aldri har Høyre foreslått å privatisere skolen. Men vi ønsker å slippe til noen flere friskoler enn de som har et religiøst fundament eller en alternativ pedagogikk. Det betyr at man kan etablere et teknologigymnas, det betyr at man kan etablere en yrkesskole etablere en yrkesskole som en friskole – men privatisering handler det ikke om. Det finansministeren derimot må gjøre, er å se til Oslo, for der har man klart å føre en god skolepolitikk som kompenserer for sosiale forskjeller. Lær av hva som gjøres, istedenfor å bringe til torgs påstander som er direkte løgnaktige. Man må være Høyre-mann for å tro på den historien som representanten

Med unntak av Oslo – og hvorfor det? Jo, angivelig fordi i Oslo styrer Høyre, og fordi Høyres skolepolitikk har gjort underverker med hensyn til å skape mer likhet og fjerne sosiale forskjeller. Har man da også mindre fattigdom i Oslo enn i resten av landet? Det er ikke riktig, det bildet representanten Sanner og de andre høyrepartiene prøver å skape. Høyrepartiene prøver å omskrive historiefortellingen ved å gjøre den norske modellen til noe alle kan slutte seg til, og som alle har vært med på å utvikle. De påstår at de verdiene den norske modellen representerer, er allmenne norske verdier – ikke sosialdemokratiske, i hvert fall. Mener høyrepartiene at de vil føre en fortsatt rød-grønn politikk om valget i 2013 skulle gi et annet flertall enn i dag? dag? Da er det nemlig ikke nødvendig å skifte regjering. Mener høyrepartiene at det har vært full enighet om utviklingen av den norske velferdsstaten, slik den framstår i dag? Den norske modellen kjennetegnes av fellesskapsløsninger som skal gi alle like muligheter og frihet til å leve det liv de ønsker, ikke bare de få som har råd. Den kjennetegnes ved små inntektsforskjeller, høy produktivitet og velferdstjenester som er universelle. Norge er blant landene i verden med minst levekårsforskjeller. Det har vi fått til gjennom spleiselaget som vårt skattesystem representerer, og gjennom et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. Jeg merker meg at Høyre prøver å ta eierskap til det velferdssamfunnet som vi har i dag. Samtidig glemmer de å fortelle om de endringene de vil gjøre om de kommer til makten, slik de gjorde sist de satt i regjering. Høyre har aldri jobbet for fellesskapsløsninger, de har aldri jobbet for små inntektsforskjeller. Når det gjelder skolen i Oslo og framhevelsen av den, vil jeg peke på at senest i forrige uke, da komiteen var på komitéreise i Singapore, fikk vi stor ros for den kvaliteten som vi har på norsk skole. Det ble framhevet at norske elever, norske arbeidstakere, er etterspurt fordi de har en kvalitet og en kompetanse fordi de har en kvalitet og en kompetanse som de har tilegnet seg gjennom den norske skolen, og som man ikke får i puggeskolene i Asia, nemlig kreativitet og evne og vilje til å bruke kunnskapene de har tilegnet seg. Det bør Høyre og Osloskolen merke

bemerkelsesverdige framgang. Det som har skapt det Norge vi har nå, er en kombinasjon av det lykketreffet at vi fant olje, og det at vi har fått et betydelig bedret bytteforhold grunnet Kinas framgang, med mange billige varer som vi importerer. Så snakket han om frihetstankegangen, og at det er så mange utenlandske økonomer som kommer og studerer Norge. Jeg undrer meg over det. Det de i hvert fall finner, sto det om i Dagbladet i går: Heritage Foundation hadde funnet ut at Norge hadde droppet fra 30. til 40. plass på frihetsstatistikken – siden 2005. Så det er ikke så mye å slå seg på brystet med. Jeg har aldri hørt noen som fra denne talerstolen har snakket om at de rike ikke skal bidra, men det er snakk om at vi kanskje ønsker å diskutere en skatt – og den diskusjonen skal vi ta etterpå – som svekker norske arbeidsplasser gjennom måten den fungerer på. Så har jeg lyst til å komme med noen kommentarer til finansministeren, for jeg synes nok han var rimelig lite raus i replikkvekslingen med representanten Sanner. En finansminister vet utmerket godt – og det får vi som svar i nesten hvert eneste spørsmål vi stiller – at det ikke er Mye av sysselsettingsveksten fram til 2008 skyldtes en fantastisk høykonjunktur, og det skyldtes mange av de grepene som den borgerlige regjeringen tok i perioden fram til 2005. Såpass romslige tror jeg vi skal være. Det som statistikken viser, er at etter 2008 har det, som representanten Sanner sa, nesten ikke vært vekst i privat sektor, det har utelukkende vært sysselsettingsvekst i offentlig sektor. Sysselsettingsgraden har gått ned, og siden vi diskuterer fordelingsmeldingen, har faktisk sysselsettingsandelen blant fysisk utviklingshemmede gått ganske kraftig ned. Jeg synes også finansministeren kunne ta en titt ut av vinduet når han kommer fra Hedmark til Oslo. Han vil oppleve et todelt Norge. har styrt siden 1945. Det var i dette fylket å «nave» oppsto som begrep, og det er et fylke som dreneres for private arbeidsplasser, nettopp fordi vi i dag har en økonomi som nesten utelukkende er basert på olje. Så en viss ydmykhet hadde jeg faktisk forventet når det gjelder en del av de utfordringene.
med å si at vi får fortsette å «prate» om disse spørsmålene. Det er kanskje akkurat det vi føler at det har vært litt for mye av i behandlingen av denne saken – prat. Vi hadde fra Kristelig Folkepartis side et mål, og som representanten Skei Grande sa, har det vært stilt store forventninger til at virkemidler skulle komme i denne meldingen, fordelingsmeldingen. Det er gode drøftelser, men det er prat. Så vi tenkte at ok, vi skal utfordre regjeringen på tre områder som regjeringen selv sier er en utfordring, også fordi denne regjeringen fjerner kontantstøtten for et årskull, noe som faktisk medfører at en del barnefamilier vil gå ned i levestandard hvis det ikke kompenseres på noen som helst måte for dem som faller utenfor en del ordninger. Jeg har nevnt de tre utfordringene: sosialhjelpen, graderte satser i SFO og barnehage, og engangsstønaden. Det var altså ikke noe ønske om handling, det var mer et ønske om å prate. Det konstaterer vi, men jeg kan ikke si annet enn at det skuffer meg. Så var representanten Holmelid inne på skattepolitikk og fordeling. Det er klart at vi kan snakke om skattepolitikk som et fordelingsvirkemiddel, men det vi sikter til i vår merknad, er jo formuesbeskatningen. Spørsmålet blir jo til syvende og sist: Skal man innrette den slik at den i realiteten hindrer å skape norske arbeidsplasser? Da har vi et problem. Jeg tror stadig flere ser at der er vi i ferd med å havne. Jeg tror ikke det er fordi man vil ha mindre fordeling at eller næringsminister Giske mener at det er på tide å gjøre noe, det er antakelig fordi man ser at dette hindrer verdiskaping, som igjen gir grunnlag for å kunne drive god fordelingspolitikk med offentlige kroner, bl.a. Vi er enig i veldig mange av Venstres forslag. Vi valgte i denne innstillingen å legge det inn i merknader, men legger man dette ved siden av hverandre, ser man at det er et stort samsvar mellom to gode sentrumspartier. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Først til Trine Skei Grande, som har forlatt salen: Det er

og når f.eks. – som representanten Lise Christoffersen sa – det er kulturforskjeller som gjør at kvinner er hjemme, og man ikke klarer å få folk ut, og man får for mange til Norge for fort, vil det bare fortsette. Det er bevist og bevist, ikke bare i Norge, men i alle land i hele Europa. Da er det mulig at man skal si fra at dette går for fort. Men det er altså en villet politikk. Til representanten Torgeir Micaelsen, som sa:

kapitalister som gjør det mulig for dere sosialister å sitte her og tjene en million. Det er kapitalistene som gjør at dere har muligheten til å sitte her i salen som stortingsrepresentanter og tjene en million. Likevel er det kapitalistene dere skal stå her og kritisere. Hvem er det ellers som kan betale lønningene til dere sosialister, hvis det ikke er kapitalistene som skaper verdiene i det norske samfunnet? Det er nødt til å være dem – eller er det slik at alle skal bli rentenister av Jeg begynner å lure, for når man hører enkelte av representantene her, virker det nesten slik. Men det er altså slik i dag at 30 pst. ikke fullfører videregående skole. Det er slik at matematikkunnskapene på videregående skole er svært svake – og så sitter man her og skryter av at det er små forskjeller! Ja, det er små forskjeller. Det har sine gode sider, men det har også sine negative sider.

Nettopp noen til å skape muligheter for andre, skape arbeidsplasser, slik at også andre kan få inntekter – slik at sosialistene kan sitte her og kritisere – det er det vi trenger. Det vi trenger, er flere kapitalister, flere som skaper verdier og arbeidsplasser, ikke flere som kritiserer dem som skaper verdier. Det er

for. Venstre har fremmet en del forslag. Blant annet sier Venstres leder at det nå står på vilje, og at de bare har fått en drøftingsoppgave. I dag tidlig tok jeg meg bryet med å lese byrådserklæringen i Oslo – den byen vi har med flest fattige og størst forskjeller. Jeg lette litt etter disse forslagene som er lagt fram her i Så hvis det står på vilje, må det vel kanskje være sånn. Jeg håper Venstre sørger for at dette blir en del av det grunnlaget Venstre skal regjere denne byen på, for det er her mange av barna bor. Veldig mange av disse barna og familiene trenger sosialhjelp. Vi har sørget for at det nå har blitt et tilsyn med hvordan sosialhjelpen fungerer i kommunene i Norge. Norge. Dessverre var resultatet nedslående, fordi sosialtjenesteloven forplikter oss ikke bare til å hjelpe folk i en økonomisk vanskelig situasjon, man skal løfte dem ut av den vanskelige situasjonen, og man skal sørge for strukturer som gjør at fattigdom ikke oppstår. Men denne rapporten viser dessverre at i 45 av 50 kommuner brytes loven. Da er det faktisk ikke så rart at veldig mange av de mest vanskeligstilte ikke kommer ut av fattigdommen, fordi de har det vanskelig, og fordi man ikke tar tak i de bakenforliggende årsakene. Vi har hatt en debatt de siste dagene om arbeidsplikt for sosialhjelp. Det står i sosialtjenesteloven i dag at man kan ha aktiviteter, dvs. man skal ha det. Men man må jo følge opp folk på en ordentlig måte som gjør at de kommer seg på beina, har mestring – for å si det sånn, ser lyset i tunnelen – og ikke bare snakke som om dette handler om å piske noen av de mest vanskeligstilte med det vondeste livet til å gjøre et eller annet meningsfylt fordi det skal være så innmari disiplinerende og god moral. Det virker ikke! Jeg er ganske fortvilet over at vi ikke får gjort mer enn det vi gjør, men jeg vil i hvert fall oppfordre dere som sitter med makt i denne byen, som har de fleste fattige, til i hvert fall å iverksette den politikken dere sier dere har der. Her er det mange på sosialhjelp som trenger oppfølging, som ikke får det, og som vil ha det. Det er mange på sosialhjelp som virkelig kunne greid seg bedre hvis kommunen ved Nav hadde fulgt opp sine forpliktelser, som de har etter lov om sosiale tjenester. ha det. Det er mange på sosialhjelp som virkelig kunne greid seg bedre hvis kommunen ved Nav hadde fulgt opp sine forpliktelser, som de har etter lov om sosiale tjenester. En kommentar til Jan Tore Sanner, som sier at Høyre aldri har foreslått å privatisere norsk skole. Høsten 2005 og 2006 foreslo Kristin Clemet at antall private elevplasser i grunnskolen skulle øke med Det er en vekst på 150 pst. Jeg var fylkespolitiker i Oppland på den tida. Hadde dette gått gjennom, ville de ha punktert hele strukturen vår på videregående skole ved å legge videregående privat skole – jeg gjentar: privat skole – på Lillehammer og på Gjøvik. Dette er å privatisere videregående skoler i Oppland, og det var et forsøk på å privatisere videregående skoler i hele landet. Så en litt

Det er en stiftelse som legger vekt på at vi skal pleie amerikanske «values», som de sier, og de er veldig for «strong national defense». Jeg er glad vi ikke kom på høyt på den rankingen. Presidenten vil minne om at det er flere saker igjen på dagsordenen. Til representanten Presidenten vil minne om at det er flere saker igjen på dagsordenen. Til representanten Tybring-Gjedde vil jeg egentlig bare si: Skapte disse kapitalistene de millionene helt alene? Bar de mursteinene sjøl, som Bertolt Brecht spør i diktet om den lesende arbeider? Til Jan Tore Sanner som mener at vi skraper bare på toppen istedenfor å løfte i bånn. Poenget er jo at vi gjør begge deler! det poenget som han ikke går inn på i det hele tatt, er at det faktisk er spennet fra bånn til topp som er viktig. Vi har et relativt fattigdomsbegrep. De nye klasseskillene, sier Sanner, er mellom dem som er innenfor arbeidslivet, og dem som er utenfor. Ja, det er et viktig klasseskille, men det er ikke det eneste. Spør en lavtlønnet deltidsarbeidende. Spør vikarer. Det er mange som ville være helt sikker på at klasseskillet er langt mer enn innenfor og utenfor arbeidslivet. På den annen side har Høyres mest avanserte side aldri vært akkurat klasseskiller. Det altså viktig å ha to tanker i hodet samtidig. De som er utenfor, skal ikke være fattige. Vi skal ha et godt trygdesystem, som er godt nok til å ta vare på dem, og der har ved å øke trygdene for dem med de laveste trygdene. De skal kunne leve med god samvittighet. Det å ha slike trygder er faktisk også en del av lønnsdannelsen i Norge. Så skal folk hjelpes inn i arbeidslivet, men ikke ved å sultes, for det virker ikke. Til Kristelig Folkeparti: Jeg har stor sans for Syversens innlegg, men vi har ingen grunn til å ha dårlig er: gratis kjernetid i barnehage, lave barnehagesatser, lav egenbetaling, universelle goder. Dette er saker som regjeringa har gjort en stor innsats på, og hvor det fortsatt bør og vil bli satset, som det også er beskrevet i meldinga. Så vil jeg minne om at Fordelingsutvalget pekte på at et av de store problemene som skaper barnefattigdom, er kontantstøtten som holder mødrene hjemme, hindrer integrering og dermed skaper vedvarende fattigdom. Det er faktisk, oppi alt alvoret her, litt moro å høyre når Jan Tore Sanner prøver å stå fram som ein god sosialdemokrat. Eg føler jo at han gjer sitt beste for å skjule sin blå politikk med ein lysegrøn retorikk, og når han hevdar at Høgre aldri har prøvd å privatisere norsk skuleverk, trur eg han må gå og snakke med sine kollegaer som har styrt nokre av dei departementa som har med den typen ting å gjere. Eg var også lokalpolitikar då Høgre sat med makta. makta. Hadde dei fått gjennomslag for den privatiseringa som dei skulle gjere i Vest-Agder, hadde det knapt vore nokon offentleg vidaregåande skule i Vest-Agder, bortsett frå i Kristiansand. Det var vel ikkje berre snakk om privatisering, men ei sterk sentralisering, og det står jo lite i samsvar med den lovprisinga av mindre forskjellar som Jan Tore Sanner har presentert i andre samanhengar. Så skal ikkje eg minne Jan Tore Sanner på kva for by som har flest fattige, for det er det andre som har gjort før her i dag. Så eg skal avslutte med ein liten kommentar til Hans Olav Syversen. Det er mogleg at han tenkjer berre på kapitalskattlegging når han har uttalt i merknaden sin at han synest at regjeringa legg for stor vekt på fordelingspolitikk i skattepolitikken, men sånn som merknaden er formulert, er det heilt tydeleg at ein er misnøgd med fordelingspolitikken i skattepolitikken i eit breiare perspektiv. Det er greit å konstatere at Aksel Hagen og både ha sterkt forsvar og begrense offentlig sektor, og jeg mener det er grenser for hva både offentlig sektor og politikk kan stelle med. Så det er veldig greit å konstatere at vi hører til helt forskjellige partier. Men det som gjorde at jeg hadde lyst til å ta ordet, var privatisering. Det er ikke så underlig at begrepsforvirringen er total i SV rundt det, for det inneholder jo «privat». Men de tallene som det ble referert til, var friskoletall. Friskole er noe helt annet. Da skal det offentlige betale, og folk skal få en valgfrihet når det gjelder hvilken skole man skal gå på. Det er det de rød-grønne er imot. Man er imot å slippe andre krefter til for å løse utfordringene i skolen, og det er ganske uforståelig i lys av de utfordringer som norsk skole har. Privatisering betyr at den enkelte skal betale skolegangen selv. Da snakker vi om noe helt annet. Er det noen som kommer til å stå for privatisering innenfor norsk skole, er det de rød-grønne, hvis man ikke tar tak i og klarer å løse de utfordringene skolen står overfor. Da begynner folk å velge å betale skolegangen selv og gå utenom det offentlige systemet. Vi ser det innenfor helse. Der

salen. Jeg sto sammen med statsråd Halvorsen på Youngstorget og diskuterte sosialhjelpssatser. Da var jeg og statsråd Halvorsen helt enige om at vi måtte gjøre noe med sosialhjelpssatsene. Hvis representanten Karin Andersen hadde lært seg at hun ikke bare må lese erklæringer, for da kan man jo falle for fristelsen til å lese Soria Moria-erklæringa, der man skal fjerne fattigdommen, men heller se på hvilken praktisk politikk som er gjennomført,

sine. Fattigdom i dag er ikke så strukturert laget som det var i gamle sosialdemokratiske systemer. Fattigdom oppstår på steder og i familier der du ikke venter det, fordi noe skjer. Fattigdom er ikke så strukturert og det er ikke et klasseskille lenger, fordi det oppstår på ulike steder til ulike tider. Det betyr at vi må ha et sammensatt virkemiddelapparat. Det er derfor vi har foreslått at staten skal gjøre 25 ting for å nå det. Har noen flere gode ideer, kan vi gjerne stemme for dem – man må gjerne legge dem fram i salen her, man må gjerne komme med dem. Vi skal gjerne bidra til en dugnad for å få det til. Alt vi har foreslått her, har vi også foreslått i budsjettene. Alt dette henger sammen. Vi står for det over tid, og vi står for det både når pengene skal bevilges og forslagene skal fremmes. Hvis det er noen flere som har gode forslag, så gjerne.

men det kan vi ikke bry oss om. Jo, det må vi bry oss om, og det må vi ha tiltak på. Vi bør heller diskutere tiltakene enn å gå i strupen på andre partier. Representanten Jan Tore Sanner har hatt ordet to ganger før og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. La meg bare slutte meg helt til representanten Skei Grandes avslutning, nemlig at vi burde ha brukt både behandlingen av saken og denne debatten til å utmeisle felles strategier og felles tiltak for å bekjempe fattigdom. Det var hyggelig at representantene fra SV fikk anledning til å gyve litt løs på det som de kaller for «privat skole». La meg bare understreke at jeg brukte mitt innlegg til å snakke om den offentlige skolen, der 98 pst. av elevene går. Det er Høyre opptatt av. Jeg registrerer at SV er mest opptatt av de to prosentene som går i privatskoler. Det er for ordens skyld flere privatskoler i dag enn det var i 2005. Det beklager ikke jeg, men det er ikke privatisering, det er spørsmål om mangfold i tilbudet. Representanten Lars Egeland likte ikke at jeg påpekte at det SV har holdt på med, er å skrape i toppen og ikke løfte i Realiteten er at man har skrapt i toppen og ikke løftet i bånn, fordi det er flere fattige barn, fordi det er flere bostedsløse, fordi det er lengre ventetider og lengre køer for dem som ønsker rusbehandling, og fordi man ikke har klart å kompensere for sosiale forskjeller i skolen. Helt til slutt: Venstre la frem sine 25 forslag i avgivelsesmøtet . Det er grunnen til at Høyre ikke har gått inn på dem, men det er mange gode forslag som vi er enig i. Tiden er

Vi har innført kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad. Det er også en rekke andre tiltak, bl.a. uføretrygden, som vi behandlet rett før jul. Hvis det hadde gått slik som høyrepartiene i Stortinget da mente, hadde ytelsen til flere av dem som er for syke til å være i arbeidslivet, vært kuttet vesentlig. Dette er SV glad for at vi har fått til. Så er det mye som står igjen. Jeg oppfatter ikke at Venstre er en hovedfiende i fattigdomspolitikken i det hele tatt. Men jeg oppfatter at det hadde vært … Da var taletiden ute. Ett minutt går fort! Det gikk fort! Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og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

Formuesskatt er debattert mange ganger i Stortinget. Det er svært viktig, fordi formuesskatt kombinert med progressiv inntektsskatt er det som gir evneprinsippet i personbeskatningen. Denne gangen er det altså et representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner og Arve Kambe om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten. Det er en innstilling som er kort, den er ideologisk, og det er klare politiske skiller mellom regjering og opposisjon. Regjeringspartiene forutsetter at forslaget ikke vedtas, og forslaget fra Høyre-representantene blir tatt opp av opposisjonen. ber regjeringen legge fram en sak i løpet av 2012 på grunnlag av en uavhengig og forskningsbasert gjennomgang av de positive effektene av å fjerne formuesskatt og dens virkning på norsk, privat eierskap, industri- og næringsutvikling og arbeidsplasser.» Formuesskatten er en skatt på netto ligningsformue utover et bunnfradrag på 750 000 kr per skattyter. Formuesskatten ble innført i 1881 som en erstatning for matrikkelskyldskatt, eller det som i dag heter eiendomsskatt. Og som sagt, sammen med inntektsskatt er det det avgjørende virkemidlet for å sikre prinsippet om skatt etter evne. Formuesskatten er i dag helt grunnleggende for å sikre dette prinsippet, og formuesskatten blir betalt av privatpersoner. Regjeringspartiene viser til at formuesskatten har blitt endret de seinere åra, slik at det nå er større samsvar mellom den enkeltes skattemessige og reelle formue, og det har styrket formuesskattens omfordelende egenskaper. Fortsatt er imidlertid enkelte formuesobjekter, i første rekke fast eiendom, verdsatt betydelig lavere i formuesskatten enn hva objektene kan omsettes for. Den spesielt lave verdsettingen av egen bolig er begrunnet med et ønske om å begrense den samlede skattleggingen av egen bolig. Historisk har vi en svært gunstig skattlegging av egen bolig, fordi det har vært et samfunnsmessig mål at flest mulig skal eie sin egen bolig av nøktern standard. Det er et svært viktig prinsipp, som har gitt svært gode resultater. Videre er situasjonen den at formuesskatt internasjonalt, men en har isteden eiendomsskatt. Eiendomsskatten skiller seg fra formuesskatten ved at den er en skatt på bruttoformue, og omfatter ikke finansformue, som er veldig skjevt fordelt i befolkningen, i Norge som ellers. Regjeringspartiene ser eiendomsskatten som et mye dårligere virkemiddel sammenlignet med formålet med formuesskatten. Ideologisk

for å sikre skatt etter evne, og da med høye bunnfradrag. Det er noe som sikrer at du kan ha en robust økonomi for å takle livets virkelighet. Samtidig medfører lave ligningstakster på egen bolig en skattemessig stimulans til å erverve egen bolig, og flertallet ser dette som en viktig del av norsk boligtradisjon. Samtidig vil vi påpeke at lave ligningsverdier på utleieboliger og boliger eid av selskaper øker etterspørselen etter boliger, fordi mange ønsker å investere i bolig for å redusere formuesskatten. Det går altså et klart skille mellom det å bo i egen bolig og det å investere i bolig. På denne måten bidrar lave ligningsverdier til å øke etterspørselen etter bolig som et investeringsobjekt, og dette medvirker til høyere boligpriser, noe som er negativt bl.a. for førstegangsetablerere. Som sagt, innstillinga bærer preg av en klar uenighet mellom regjeringspartiene og opposisjonen. Det er en viktig innstilling. Den avklarer i grunnen for en god tid framover hvordan posisjonene er. Argumentasjonen er klar, og folk kan velge mellom ulike partier når det gjelder oppfølginga av skatt etter evne for privatpersoner.

debatter i forrige stortingsperiode i forbindelse med stortingsvalget – regjeringspartiene vant valget, og formuesskatten var en del av det viktige ordskiftet – diskutert dette grundig. Vi har debattert dette i flere budsjettsammenhenger etter valget, senest i finansdebatten, vi har debattert formuesskatten under evalueringen av Skattereformen i vi har diskutert det i forbindelse med ulike Dokument 8-forslag, ikke minst fra Høyre-representanter, og hatt det oppe i en rekke muntlige og skriftlige spørsmål og interpellasjoner. Ikke nok med det, i finanskomiteen foreligger det nå to forslag som i ulik grad går inn for avvikling av formuesskatten. Det tyder vel på at de fleste i denne salen så noenlunde har gjort seg opp en Jeg har i en rekke debatter på vegne av Arbeiderpartiet redegjort for hva vårt syn er. Og jeg er ikke blant dem som mener at formuesskatt eller annet er et svart-hvitt-spørsmål; det har fordeler og ulemper, svakheter og styrker. Men til slutt må man gjøre seg opp en politisk mening om hva man mener er avveiningen mellom fordeling, inntekter til fellesskapet og næringslivets og privatpersoners skapertrang, og vi har da landet på det som er og vi har da landet på det som er vårt standpunkt. Jeg føler at på et eller annet tidspunkt må vi bli enige om at sånn er verden, sånn er de politiske frontene, og dette er nok et eksempel på hvordan man skal få inn en debatt om noe som egentlig handler om noe annet, nemlig for eller imot og hvordan formuesskatten kan være. Derfor har ikke jeg tenkt å bidra ytterligere til debatten, annet enn å henvise til at dette har vært debattert en rekke ganger, og at vi også har to realitetsforslag i komiteen. Det ville være fristende til slutt å spørre: Hvis vi skal forske på disse effektene, vil da de som foreslår dette, også avvente hva de mener om formuesskattens posisjon i de to forslagene som nå ligger i finanskomiteen, eller vil man der redegjøre for det som er posisjonene til nå? Jeg vil jo tippe at det er det siste, og da er vi omtrent like langt. Representanten man der redegjøre for det som er posisjonene til nå? Jeg vil jo tippe at det er det siste, og da er vi omtrent like langt. Representanten Micaelsen har helt rett i at vi har diskutert for og imot formuesskatt mange ganger i denne salen, og det skal vi fortsette med. Det er det som er politikk, og det er derfor vi er her, nemlig for å fortelle hverandre og alle der ute hvorfor våre løsninger er de beste for folk flest. Vi kan ikke henstille til andre at de skal Det blir litt meningsløst. Så er det jo å håpe at man etter hvert kan få et litt annet syn på ting, både den ene og den andre, hvis man får mer informasjon. Og det er altså det dette forslaget dreier seg om. De forslagene vi skal debattere senere, om formuesskatten, går på arbeidende kapital, og da blir det interessant å høre hva f.eks. representanten Lundteigen mener om det, når han ikke kan bruke andre unnskyldninger for hvorfor han ikke ønsker å fjerne formuesskatten. Saksordfører i forrige sak, om fordelingsmeldingen, Gerd Janne startet sitt innlegg med å si at man har arbeidet siden 2008 med å se på hva som skaper forskjeller, og hvordan vi skal bekjempe forskjeller. Man har altså hatt en arbeidsgruppe i fire år for å se hva som skaper forskjeller, men er altså ikke villig til å arbeide en eneste uke for å se på hva som skaper inntekter, det dette forslaget dreier seg om – nemlig om man skal forske på de positive og negative sidene ved formuesskatten. Det er et godt forslag fra Høyre, som vi selvfølgelig støtter. Det er jo en merkelig holdning å ha å si at man allerede har bestemt seg, før man eventuelt vil sette i gang en forskning, så jeg håper at man etter hvert kan ha en annen holdning. Jeg kan vise til forslag fra organisasjonen BedreSkatt – de er ikke sånn at de alltid skal ha lavere skatt, skatt og en best mulig naturlig skattlegging, slik at man skaper vekst i norsk næringsliv. De har en overskrift som sier: «Avviser kunnskap om sin egen politikk!» Og det synes jeg egentlig er ganske beskrivende, at regjeringen avviser å få kunnskap om sin egen politikk fordi de har bestemt seg, som Torgeir Micaelsen nettopp sa, for mange år siden, og det har de tenkt å fortsette med.

og da refererer jeg fra merknadene: «– Den stimulerer til gjeldsoppbygging og straffer sparing. – Den diskriminerer norsk privat eierskap til fordel for utenlandsk eller statlig eierskap og gjør dermed arbeidsplassene mindre trygge, ved at bedriftene blir tappet for kapital også i enkeltår med underskudd. – Den svekker norsk eierskap gjennom forskjellsbehandling av norske og utenlandske aksjonærer. – Den svekker næringslivet ved at de deler av næringslivet som er avhengig av tilgang på privat norsk kapital, får begrenset kapitaltilgang. Den svekker gründerskap fordi formuesskatten må betales basert på fremtidig inntjening, uavhengig av vedvarende underskudd. – Den tapper distriktene for kapital. – Den vrir investeringene fra produktiv verdiskaping til skattefavoriserte plasseringsformer.» Det er i hvert fall noen konsekvenser av formuesskatten. Så er det sikkert flere som man ikke har kommet på. Men det vil altså ikke regjeringen finne ut av. Så har jeg et lite stikk til Høyre til slutt, selv om Høyre har fremmet dette forslaget: Høyre satt altså med finansministeren i forrige periode og gjorde ikke et slag for å fjerne formuesskatten. Men de er veldig ivrige etter å gjøre det nå.

Det er mulig dobbeltkommunikasjonen er dobbelt så god for enkelte, men det er en krevende øvelse. Senterpartiets leder og statsråd, Liv Signe Navarsete, var på Aass Bryggeri i desember i fjor og sa at Senterpartiet ville fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, og at det var et flertall på Stortinget for det. Hun la med dette ansvaret for å sikre en nasjonal politikk som er i samsvar med stortingsflertallet, over på sine partifeller i Stortinget. Det er bare å konstatere at det ansvaret tar de ikke. Nei, helomvendingen er tvert imot total, og når saksordføreren i tillegg sier at innstillingen gjenspeiler en ideologisk holdning til formuesskatten, og man skriver at man er «sterk tilhenger av formuesskatten som et grunnleggende prinsipp i skattesystemet for å sikre skatt etter evne», må jo forvirringen ute bli total. Dette er ganske freidig. Regjeringen har doblet skatt på arbeidende kapital til 6–8 mrd. kr siden 2005, hovedsakelig ved å fjerne aksjerabatten. Utad skaper man forhåpninger i det som vi i Høyre mener er på vei til å bli et utarmet privat norsk eierskap, mens man i Stortinget argumenterer stikk motsatt. Realiteten er at Senterpartiet i regjering har sørget for at 6–8 mrd. kr hvert år forsvinner ut av hendene på dette eierskapet og ut av nye risikoprosjekter i Norge. Senterpartiet og flertallet forsøker også å argumentere med at formuesskatten er en skatt på privatpersoner og ikke på bedrifter. Samtidig er partileder Navarsete flere ganger sitert på at det blir oppfattet som urettferdig at eiere må tappe bedriften for kapital for å dekke formuesskatten når den går med underskudd. La oss slå det fast: Formuesskatten er en skatt på norske bedrifter og arbeidsplasser, og Senterpartiet støtter det. Høyre viser i dokumentet at det er noen utviklingstrekk i Norge som burde bekymre regjeringspartiene. For det første: Eierstrukturen i Norge endrer seg. Utenlandske eiere og staten øker sin andel på bekostning av norske, private eiere. For det andre har norske husholdninger i tillegg en relativt svak finansiell stilling, og vi leser i avisen at lånelysten ikke ser ut til å avta. Tvert imot: Finanstilsynet har innført så strenge egenkapitalkrav i boligmarkedet at vi risikerer at ungdom og svake grupper ikke klarer å etablere seg, og nye sosiale skiller vil oppstå. Jeg finner det utrolig at alt dette ikke bekymrer en rød-grønn regjering. Historien kan bli lei å forklare i framtiden. Høyre har denne gangen ikke bedt om annet enn at vi erverver oss kunnskap om en skatt som Høyre mener er svært ødeleggende for det som skal bære velferdssamfunnet inn i framtiden. For å gi et stikk tilbake til Fremskrittspartiet: Representanten Tybring-Gjedde tok jo hele listen vår fra dokumentet, så jeg skal ikke gjenta den. Jeg kan heller svare på den lille utfordringen at formuesskatten ikke ble fjernet i forrige periode. Det var fordi det var en rekke andre skatter som det var enda viktigere å få fjernet, bl.a. investeringsavgiften. Og man kom rett og slett ikke så langt. Samtidig var det en avtale – skattereformen. Når utbytteskatten kom, skulle formuesskatten bort. Men nå står formuesskatten som prioritet nr. 1. I korthet indikerer den listen at Apple ikke kunne vært eid av nordmenn. En norsk gründer kunne ikke ha gjort den jobben Steve Jobs gjorde med Apple, om vi så kunne drømme om det. Det hadde han ikke hatt råd til. Å sitte og vente i 15 år i en bedrift som er verdsatt tilsvarende Apple uten å få utbytte, er rett og slett umulig for nordmenn. Jeg har fått mange historier fra nordmenn som eier bedrifter sammen med utlendinger, og de blir ganske fortvilet når utlendingen ikke vil ha utbytte. De vil heller bruke det på å utvikle bedriften. Det vil også nordmenn. Men skattesystemet tvinger fram at de enten selger seg ut av bedriften, eller de de må finansiere andre steder. Senterpartiet – av alle – burde vite hvor viktig det lokale eierskap av de mange små bedrifter landet rundt er for å opprettholde aktivitet, bosetting og utvikling i det ganske land. Partilederen ga marsjordre på Dagsrevyen den 13. desember i fjor, men troppen i Stortinget har desertert. Kan presidenten legge til grunn at representanten Gunnar Gundersen hadde til hensikt å ta opp sitt forslag? Det hadde jeg. Representanten Gunnar Gundersen har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er

tankegangen – det kan jo være grunn til å antyde det, for samtlige partier var i forrige sak enig i at man skulle føre en politikk for å utjevne forskjeller, hvis det var noen substans i det, burde det som et minimum i denne saken foreligge et forslag om at man skulle utrede alternative skatter som bidro til at de som har mest ressurser – de som har høyest inntekt, de som har mest å bidra med – fikk skatter som et alternativ til alternative skatter som bidro til at de som har mest ressurser – de som har høyest inntekt, de som har mest å bidra med – fikk skatter som et alternativ til formuesskatten. Det forslaget ser jeg ikke på bordet. Nei, Norge er det eneste landet i Vest-Europa som siden 2005 har klart å snu trenden og redusere ulikhetene. Det er første gangen siden 1989 at denne trenden snudde i Norge. Samtidig – mens Norge gjorde dette grepet – økte Sverige. Det skyldtes bl.a. at vi fikk en mer rettferdig formuesskatt. Mens Norge før 2006 hadde et skattesystem der de rikeste betalte en mindre andel av sin inntekt i skatt enn andre, har innføringen av utbytteskatt og omlegging av formuesskatt ført til at de nå betaler en høyere andel av sin inntekt i skatt enn alle andre. Det er innføring av et mer rettferdig skattesystem! De aller rikeste – de med over 100 mill. kr i

fra f.eks. næringsminister Giske, landbruksminister Brekk, fiskeriminister Berg-Hansen og kommunal- og regionalminister Navarsete – om at formuesskatten har betydelig negative konsekvenser for norsk næringsliv, ikke minst for næringsliv som har sin basis i distriktene, noe også representanten Gundersen refererte til. Venstre mener, ikke overraskende, at formuesskatten har betydelig negative skadevirkninger for norsk næringsliv, og at den, slik den fremstår i dag, virker reaktiv med hensyn til å stimulere til spredt privat eierskap i Regjeringen har på dette området foretatt også andre innstramninger, slik at det er blitt mindre lønnsomt for norske, private eiere å investere i norske bedrifter og arbeidsplasser i forhold til i statlige og utenlandske selskaper. Dette må etter Venstres syn åpenbart ha noen negative effekter – i hvor stort omfang vet vi imidlertid ikke. Dersom de viser seg å være små, er vi klare til å innrømme at vi tok feil, men vi vet det ikke. Det er nettopp derfor

Om noen i regjeringspartiene synes å ha hørt nettopp dette budskapet før, er det nøyaktig det samme som det ønsket som blir fremført av LOs leder, Roar Flåthen, men dette er ett av de få områdene han åpenbart ikke har fått gjennomslag på i regjeringen. Hva er det som tilsier at vi ikke burde få en slik uavhengig gjennomgang? Det er vanskelig for meg å forstå. I den innstillingen som vi nå behandler, argumenterer ikke flertallet mot, men kommer dels med historiske beskrivelser av formuesskatten, dels med det vanlige mantraet om skatt etter evne – der formuesskatten ofte er et eksempel på nettopp det motsatte og dels med en problematisering av hva som er arbeidende kapital, og ikke. Det siste er en problematisering Venstre deler, og som gjerne må inngå i en uavhengig og forskningsbasert gjennomgang av effektene av å fjerne formuesskatten på ulike områder, knyttet til næringsliv og arbeidsplasser. Det store spørsmålet vi står igjen med, er da: Hva er det som er så farlig med å foreta en uavhengig gjennomgang av effektene formuesskatten har på norsk næringsliv og norsk eierskap på norske arbeidsplasser? Etter å ha hørt debatten så langt fremstår det fortsatt som veldig uklart hva argumentene mot er, men forhåpentligvis kan finansministeren, som er neste taler, forklare oss hvorfor en regjering som selv hevder at satsing på kunnskap er viktig, ikke vil satse på kunnskap på nettopp dette området. området. Skulle det være noen tvil, støtter Venstre helhjertet opp om representantforslaget fra Høyre, om en uavhengig og forskningsbasert gjennomgang av effektene av å fjerne formuesskatten, selv om konklusjonen i en slik gjennomgang skulle vise at Venstre tar feil. Som representanten Micaelsen viste til, er

prøve å bringe diskusjonen videre framover, og jeg ser ikke at det kommer opp noe spesielt nytt med hensyn til hva slags standpunkter en skal ta, og hva en gjør med saken framover. Jeg mener det ikke er behov for en ny gjennomgang, slik som forslagsstillerne her ser for seg. I evalueringsmeldingen, som Stortinget behandlet for et år siden, gikk vi gjennom skattereformen fra 2005 og 2006, herunder også en gjennomgang av formuesskatten. gjennomgang av formuesskatten. Det er ingen grunn til å legge skjul på at formuesskatten har svakheter, som kanskje også andre skatter. Men jeg mener at saken er godt nok belyst for å kunne ta de beslutninger en skal ta med hensyn til den videre skjebnen til formuesskatten. Formuesskatten har noen av de samme egenskaper som andre skatter: Den gir inntekter til til fellesskapet. Formuesskatten har det i tillegg – som er et viktig poeng, og som knytter seg opp mot den diskusjonen vi hadde i forrige sak – at den gir en god fordelingsvirkning. Fordelingsvirkningen av formuesskatten er styrket siden 2005. 2005. Det er faktisk slik at formuesskatten er med på å sørge for at de som har høyest formuer, de som er – for å bruke begrepet – «kapitalister», faktisk også bidrar mer etter evne enn om det ikke hadde vært en formuesskatt. Det som blir et interessant spørsmål – og som heller ikke forslagsstillerne, verken i denne sammenhengen eller i andre sammenhenger, sier som skal erstatte disse inntektene, og erstatte den fordelingsvirkningen som formuesskatten gir. For bare å illustrere det er det jo slik at dersom en fjernet formuesskatten, ville de tusen med de høyeste formuene i Norge få en gjennomsnittlig skattelette på om lag 3,5 mill. kr. Det ville etter mitt syn endre fordelingsvirkningene dramatisk. Hva skal da erstatte dette, hvis en ser for seg at det er andre skattearter som skal ha en lignende fordeling? Så er det riktig som det står i flertallets merknader, at det ikke er bedriftene selv som betaler formuesskatten. Det er de som eier bedriftene. Vi kan selvsagt diskutere det forholdet, men det som må ligge i bunnen, er jo at lønnsomme og gode bedrifter også vil – som det heter på fagspråket – muligheter for eiere til både å få utbytte og betale skatten. Så skal regjeringen fortsette å gjøre formuesskatten bedre og mer rettferdig. Det skal vi komme tilbake til i forbindelse med de årlige budsjetter, slik vi har gjort de siste årene. Her er det også slik at de virkninger som formuesskatten har for næringslivet, står sentralt. Det er ikke ofte, men en gang iblant er jeg helt enig i det som representanten Tybring-Gjedde sier, at en hadde jo muligheten til i fire år, gjennom et flertall i Stortinget her, å avskaffe formuesskatten. Det skjedde ikke. Så hører jeg også hva representanten Gundersen sier. Men det er jo slik at hvis viljen til å gjøre det en sier en skal gjøre, er til stede, får en gjort det. Men jeg konstaterer at det ikke var mulig å få det til med et borgerlig flertall i Stortinget. Derimot har denne regjeringen halvert andelen skattytere som betaler formuesskatt. Jeg synes det er en ganske god bragd, for å si det på den måten. Det er et veldig tydelig resultat. Det er slik, som også representanten Geir-Ketil Hansen sa, at om lag 900 000 enten har fått fjernet formuesskatten helt eller betaler mindre formuesskatt i dag enn det de gjorde i 2005. Det blir replikkordskifte.
000 – finansministeren tjener kanskje en million. Vi betaler begge inntektsskatt. La oss si at jeg velger å bruke opp hele inntekten min på fjas og tull og tøys, mens finansministeren er nøysom og sparer deler av sin inntekt – og vi gjør det slik over mange år. Hvis formuen til finansministeren går over 750 000 kr, kommer vi i en situasjon Hvis formuen til finansministeren går over 750 000 kr, kommer vi i en situasjon der han må betale formuesskatt. Da har med andre ord hans nøysomhet og sparing over år straffet seg, mens mitt forbruk på tant og fjas har vært lønnsomt. Vi har betalt den samme inntektsskatten. Synes finansministeren det er et rettferdig prinsipp at den som er nøktern og sparer, må betale formuesskatt fordi vedkommende ikke har brukt

Og så, for å rettferdiggjøre synspunktet fra representanten Tybring-Gjedde: Det spørs jo hva vedkommende har brukt pengene på, men jeg vil ikke utelukke at noe av det pengene er brukt på, er avgiftsbelagt, så han har i hvert fall gitt en viss skjerv til fellesskapet.

Fremskrittspartiet. Jeg synes det er ganske frekt av statsråden å beskylde Høyre for det som vi oppfatter som et løftebrudd av den nye regjeringen i 2005. Det var en skattereform som lå der, og vi oppfattet at vi var enige om at når den utbytteskatten kom, skulle formuesskatten bort. Det mener jeg også ble bekreftet i evalueringsmeldingen. Jeg har ikke hatt mulighet til å slå opp og finne ut av det, men jeg vil be om at statsråden bekrefter: Var det en avtale, der man avveide innføring av utbytteskatt opp men jeg vil be om at statsråden bekrefter: Var det en avtale, der man avveide innføring av utbytteskatt opp mot at formuesskatten skulle bort? Presidenten vil bemerke at begrepet «frekk» ikke hører til de parlamentariske uttrykk som er tillatt å bruke i denne sal. Mitt poeng var i grunnen at hvis en har et flertall i Stortinget, og en er villig til å bruke det flertallet for å oppnå de mål en setter seg, er det fullt mulig, og det hadde også vært fullt mulig før en kom fram til 2005 – for den regjeringen som da satt – å foreslå å fjerne formuesskatten og få flertall for det i Stortinget. Grunnen til at jeg er overrasket over det, er at når en ser på innstillingen til dette forslaget, og ser på ser på den «elendighet» som formuesskatten påfører samfunnet på ulike områder, er jeg veldig overrasket over at det ikke skjedde. Ja, det er mulig det overrasker finansministeren, men fra vår side framsto det som åpenbart at og formuesskatten skulle ut. Det var nettopp det man ønsket å innføre, for at fordelingseffekten av formuesskatten ikke skulle bli for skjev – altså var man villig til å gå med på en ny skatt for å få bort formuesskatten. Det ble det ikke noe av, og vi mener, igjen, at det var et avtalebrudd. Det ble tross alt fjernet 25 mrd. kr i skatt i den perioden, og det var andre skatter som sto først i køen for å bli fjernet.

Jeg viser til det svaret jeg ga i stad på den replikken, og jeg registrer her at ja, det er en ærlig sak å innrømme at det var andre skattelettelser som var viktigere enn formuesskatten. Det er en helt ærlig sak, men mitt poeng er at dersom en hadde ønsket å fjerne formuesskatten, hadde en hatt flertallet til det. Men antagelig er det slik at en også kom fram til at det var ikke så lett å fjerne formuesskatten, fordi formuesskatten har en del andre andre virkninger enn bare å ta inn kroner og øre – den har også en viktig fordelingspolitisk virkning. For øvrig: Når en ser på resultatene i norsk økonomi – ledighetstall, sysselsettingsvekst, produksjonstall – og sammenligner dette med land vi har rundt oss i Europa, så går det bra i Norge,

saksordfører. Det hadde jeg også gjort hvis jeg var ham, for det som Senterpartiet har uttalt om formuesskatten, var ikke til å finne igjen i Lundteigens innlegg i dag. Det var ikke til å finne igjen i Senterpartiets saksordførermerknader. Det var egentlig et varmt forsvar for formuesskatten, som også involverer den aktive kapitalen. aktive kapitalen. Forslaget fra Høyre i dag er egentlig en invitt til de kreftene i LO-systemet, til de kreftene i arbeiderpartisystemet, i regjeringen og andre som vil se på hvordan man kan få til enten en bedre formuesskatt, eller hvordan man eventuelt klarer å fjerne den. Det er det altså ikke noen vilje til å se på. Jeg vil også innom både Tybring-Gjeddes og finansministerens innlegg. Finansministeren sier at Høyre hadde sjansen til å fjerne formuesskatten sist vi satt i regjering, og det hadde vi. Man begynte de første fire årene med å fjerne 25 mrd. kr. Det tilsvarer halvannen gang formuesskatten, det, i løpet av en fireårsperiode. I evalueringen om skattereformen skriver statsråd Johnsen selv følgende: fulgte opp Skatteutvalgets forslag om å trappe ned formuesskatten med sikte på avvikling, men ikke at dette skulle motsvares av økt skatt på eiendom.» Bingo! Det var da ikke Johnsen som sa bingo – det var jeg. Der forteller egentlig regjeringen at Bondevik II-regjeringen gjorde nettopp det, man startet dette. formuesskatten skulle halveres innen 2007, hvorav halvparten av dette ble tatt i 2006, og så ble det opphevet av finansministerens forgjenger, som nå ved hans side sitter. I tillegg fjerner man altså både trinn 2 og klasse 2 i formuesskatten, og noe av det har regjeringen fulgt opp etter at den overtok.

Høyre hadde sjansen: Vel, Fremskrittspartiet hadde også sjansen i tre av de fire budsjettforlikene man var med på, uten at vi fra Høyres side oppdaget at Fremskrittspartiet hadde noen bråhast med å fjerne formuesskatten. Nå registrerer jeg at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre stort sett er enige om å gjøre dette. Da har vi et godt grunnlag. Så får vi ellers håpe at vi får en bedre forsking på

skatt på utbytte og å likestille skatt på arbeid og skatt på kapital i større grad. Det var et grep som betydde at skatt på arbeidsinntekt ble redusert, og skatt på kapitalinntekt ble økt. Vi hadde ganske mange runder rundt dette fordi det selvfølgelig betydde at en del av de høye arbeidsinntektene fikk skatteletter, hvilket det var få fordelingspolitiske argumenter for, men noen strukturpolitiske argumenter for.

nå betaler skatt etter evne, som andre grupper i samfunnet. I sum har dette vært meget gode fordelingsgrep, og formuesskatten var ikke en del av det skatteforliket som Stortinget hadde inngått.

går eierskapet til alle de lokale bedriftene rundt omkring i Norge som rammes av den formuesskatten, der man bruker de rike, for å skape og opprettholde de rette bildene. Jeg har ennå til gode å være på et bedriftsbesøk sammen med en rød-grønn politiker, som overfor en eier som holder i gang en liten bedrift med 10–15–20 ansatte ute i sitt lokalmiljø, lokalmiljø, forsvarer at formuesskatten er til for å ramme dem. Det er det vi sitter igjen med. Jeg synes det var berettiget å nyansere akkurat det bildet litt. Flere har ikke bedt om ordet til sak

deretter

Eg synest dette er veldig bra, men eg trur det er ein del tiltak me må gjera for å oppnå det. Eg skal ramsa opp fem viktige tiltak som eg har sett opp: Eg meiner at me er nøydde til å ha ein likestillingsansvarleg i kvar fylkeskommune. Me må ha prosjekt med rollemodellar der ungdomsskuleelevar får yrkesinformasjon. Me må leggja til rette for nettverksbygging. Me treng ei kompetanseheving blant rådgjevarar og lærarar. Og fagbrev bør gje studiekompetanse. studiekompetanse. Eg meiner det er viktig at gutar og jenter vel utradisjonelle yrke, for viss me får ein mindre kjønnsdelt arbeidsmarknad, vil me få eit betre arbeidsmiljø. Me vil gje ungdomen vår dobbelt så mange reelle moglegheiter til å få brukt talenta sine. Det vil gje meir likestilling og jamnare inntekt mellom kjønna. Og eg trur faktisk òg det vil heva statusen på yrkesfag. Eg skal ta nokre tal: I bil og elektro er det omtrent 3–4 pst. jenter. I helsefag er det ca. 9 pst. gutar. I bygg og anlegg er manneandelen 99,1 pst., og på mekanikar er det 98,9 pst. menn. Dette må me gjera noko med. Difor var eg så glad da handlingsplanen, som er eit utruleg viktig verktøy, kom, men me er nøydde til å følgja det opp. Eg lurer ofte på kvifor det går så sakte. Når det gjeld likestilling, kan det ofte uttrykkjast i fleire fasar, om ein ser det over fleire år: Først er det latterleggjering, deretter ignorering, så motkamp, og til slutt vert det liksom som noko sjølvsagt, og ingen hugsar at ein ein gong var imot. Men når det gjeld den kjønnsdelte arbeidsmarknaden, er eg usikker på kva slags fase me eigentleg er inne i. var imot. Men når det gjeld den kjønnsdelte arbeidsmarknaden, er eg usikker på kva slags fase me eigentleg er inne i. På 1980-talet, da eg gjekk på yrkesskulen og seinare på ingeniørhøgskulen, var det eit ganske stort fokus på det å velja utradisjonelt – og mange tok sjansen og gjorde det. Men så vart det dårlege tider på 1990-talet, og da var det plutseleg ikkje så gjævt lenger – frå myndigheitene – og fokuset på det forsvann. Da forsvann òg den likestillingsansvarlege i er me meir tradisjonelle enn nokon gong. Me er på verdstoppen når det gjeld ein kjønnsdelt arbeidsmarknad. Alle er einige om at det er ei viktig sak, men det går veldig sakte. Når me snakkar om likestilling, vert det ofte snakk om kvinner i leiande stillingar, kvinner i ASA-styra, kvinner som vert mishandla, pappaperm eller eller menn i barnehage. Alt dette er kjempeviktig, men det er heldigvis sånn at dei fleste kvinner vert ikkje mishandla. Det er heller ikkje sånn at dei fleste kvinnene kjem inn i ASA-styra. Difor meiner eg at det er viktig at me snakkar om likestilling også for dei som ønskjer å ta ei fagutdanning. Lat det vera sagt med ein einaste gong: Eg har stor respekt for alle kvinner som gjer ein kjempejobb i helsesektoren. Likevel meiner eg at om nokre år når me får stor mangel på helsefagarbeidarar,

som er veldig positivt. Eg har lyst til å forklara kvifor eg meiner at dei fem tiltaka er viktige. Det gjeld dei likestillingsansvarlege i kvar fylkeskommune, som eg nemnde i interpellasjonen min. I dette arbeidet er ein ofte avhengig av eldsjeler. Det er ingen som har det totale ansvaret for at dette skal skje. I dei fylka der det er eldsjeler, skjer det mykje spennande. Der dei er meir tradisjonelle, skjer det veldig lite. Hege Skjeie, leiar av Likestillingsutvalget, uttalte til Dagsavisen: «Det viser seg at der det er noen som er interessert i å integrere likestilling i arbeidet sitt, så gjør de det. Er det steder der det ikke er noen som er interessert, vel da gjør de det ikke.» Eg synest ein skal ta tak i det, og at fylkeskommunane skal få Eg synest me skal få eit prosjekt om rollemodellar, med yrkesinformasjon til ungdomskuleelevar. Det er sånn at når ein skal velja utdanning, er rollemodellar og eigne erfaringar eller opplevingar utruleg viktig. Det er ofte sånn at ein vel det som venene vel, noko ein kjenner frå før, eller det som må me sørgja for at både gutar og jenter vert kjende med ulike yrke og får anledning til å møta representantar for sitt eige kjønn gjennom tilbod organisert av fylket og vidaregåande skule. Me må òg leggja til rette for nettverksbygging. Eg meiner at fylka og dei vidaregåande skulane skal leggja til rette for nettverk for både jenter og gutar som har valt utradisjonelt på yrkesfagleg nivå. Nettverk er viktig for dei som har valt utradisjonelt, og er ein ressursbank ressursbank som rollemodellar i informasjonsarbeidet. Me treng kompetanseheving blant rådgjevarar og lærarar. Dette meiner eg må vera både for lærarar og for rådgjevarar både på ungdomsskulen og i den vidaregåande skulen. Det er òg viktig med eit aktivt arbeid for å fjerna fagas kjønnsstempel gjennom samarbeid mellom skulane og bransjane. Så har eg sagt at eg synest fagbrev bør gje studiekompetanse. Ofte høyrer me foreldre seia til ungdomen sin: Ta allmennfag, så er det Ta allmennfag, så er det inga hindring for kva du kan gjera vidare. Eg trur at dersom fagbrev òg gav kompetanse til vidare studium, ville det vore lettare å kunna starta med eit fag. Sånn som det er i dag, hoppar veldig mange av fagutdanninga for å ta allmennfagleg påbygging. Eg trur at auka status for yrkesfag og betre kjønnsbalanse er to sider av same sak. sak. Dersom yrkesfaga skal framstå som meir attraktive for begge kjønn, er det viktig at denne verdsetjinga vert synleg og konkret. Dette vart foreslått av Karlsen-utvalet. I dag viser det seg at for dei som har gått denne Y-vegen, altså frå yrkesfag utan studiekompetanse til ingeniørutdanning, er det ein langt større del som fullfører og består, enn ved ei ingeniørutdanning som byggjer på vanleg studieførebuande kompetanse. Så har eg lyst til å seia at det er viktig med både vidaregåande opplæring og høgskuleutdanning. NTNU har i mange år køyrt eit veldig godt prosjekt for å få inn fleire kvinner på sivilingeniørutdanninga – og dei har fått til gode resultat. Eg veit òg at på Sørlandet har ein jobba med eit veldig godt prosjekt. Eit prosjekt som eg kjenner veldig godt, er prosjektet «Jenter i bil og elektro». Eg må berre seia at eg tre jenter som er elektrikarar, og ei som er bussmekanikar – dei sit oppe på galleriet no – det er hyggeleg å kunna seia det. Prosjektet «Jenter i bil og elektro» er nemnt i handlingsplanen som eit viktig tiltak. Dette prosjektet synest eg òg kunne vore eit rolleprosjekt for å få fleire gutar inn i typiske jenteyrke. Dei jentene i Bodø som har delteke i prosjektet, Dei jentene i Bodø som har delteke i prosjektet, har på eige initiativ begynt å invitera jenter på ungdomsskulen til ein eigen dag som dei kallar jenter lærer jenter. I Oslo kommune har faget «utdanningsvalg» starta med ein jentedag på elektro og teknikk for ungdomsskuleelevar som skal søkja vidaregåande. Det har òg fått stor interesse. Dette er kome opp etter eit prøveprosjekt som ein har køyrt på Etterstad i nokre år, ein òg har fått veldig positive erfaringar. Eg skal ta eit par sitat frå nokre av desse jentene. Som Lise seier: Eg vart invitert til ein opplevingsdag spesielt for jenter på elektro- og mekanisk verkstad på Etterstad vidaregåande skule – da bestemte eg meg for å søkja elektro. Anne seier: Eg har ein far og to brør som er elektrikarar, men eg er den første som har vorte togelektrikar. Desse jentene er gode rollemodellar. Måndag denne veka møtte eg fire jenter som skrudde bil på Toyota. Kristin med fagbrev, Anja som skulle ta fagbrev no i vår, og Julie og Anja som var utplasserte frå skulen – dyktige jenter som trivst med jobben sin. Eg spurde litt om kva som var viktig for dei, og dei var veldig klare: Nettverk, arbeidsmiljø og rollemodellar var dei veldig opptekne av. Men det som òg kom dei var veldig klare: Nettverk, arbeidsmiljø og rollemodellar var dei veldig opptekne av. Men det som òg kom fram, var at Toyota ikkje hadde dette som eit prosjekt, men som ein heilskapleg strategi, for dei skal tena pengar, og dei ønskjer dei beste. Dei opplevde at dei jentene dei fekk inn på verkstaden, var meir interesserte, dei var dyktigare, og dei var meir modne. Bedriftene er positive, ungdomen er positiv – no synest eg at det offentlege skal følgja

feltet. Å fremme likestilling i opplæring og utdanning er et viktig utdanningspolitisk mål. Vi vet at kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg er blant de viktigste årsakene til systematiske forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Det er altså ikke noe lite spørsmål vi diskuterer her. Å gi alle gode muligheter til å ta utdanning er en hovedstrategi for å Flere må fullføre utdanning for å komme i arbeid og ha et trygt ståsted i arbeidslivet. Et trygt ståsted innebærer også at vi må rette oppmerksomheten mot de kjønnstradisjonelle utdanningsvalgene. Kvinner har de siste tiårene inntatt en rekke høyere utdanninger som tidligere var mannsdominerte, men samtidig ser vi ikke tilsvarende endringer for menns valg innen høyere utdanning, og heller ikke for kvinners og menns valg innen yrkesfagene.

men å bryte de synlige og usynlige barrierene som hindrer jenter og gutter i å ta utradisjonelle utdanningsvalg. Det er helt riktig, som interpellanten sier, at de tradisjonelle båsene jenter og gutter tenker i, gjør at de velger bare blant halvparten av de mulighetene de i realiteten har. Ved å utvide mulighetene og få jenter og gutter til å velge kjønnsutradisjonelt, åpner vi for talenter vi ellers ville gått glipp av. Arbeidsmarkedet trenger så god arbeidskraft som mulig, og når rekrutteringsgrunnlaget er begrenset til den ene halvdelen av befolkningen, er det helt opplagt at vi går glipp av noen talenter, og noen talenter går glipp av å finne det de best ville trives med. Dette betyr at et snevert rekrutteringsgrunnlag fører til at alle bransjer og sektorer går glipp av dyktig arbeidskraft. Hva vet vi så om bakgrunnen for jenters og gutters utdanningsvalg? Buland m.fl. har skrevet en rapport som heter Kjønn i skolens rådgiving – et glemt tema? Den viser at foreldre etterfulgt av venner er de mest innflytelsesrike personene i ungdommens liv når de skal velge utdanning og yrke. I en undersøkelse blant rådgivere om kjønnsdelte utdanningsvalg sier f.eks. 59 pst. av dem som svarer, at de er enig i påstanden om at «påvirkning fra foreldre fører til at ungdommen gjør tradisjonelle yrkesvalg i henhold til kjønn». Internasjonal forskning viser også at både foreldre og lærere ofte har forutinntatte oppfatninger av hva jenter og gutter er gode til, og at dette påvirker både læringsresultater og elevenes valg av fagområder i videre utdanning. Noen undersøkelser kan tyde på at jenter og gutter har oppfatninger av hva de ulike kjønnene er gode til, og det kan prege deres yrkesvalg. Et mer realistisk og positivt bilde av egne ferdigheter vil da kunne bidra til mindre kjønnsforskjeller i valg av fag senere i utdanningsløpet. Funn i undersøkelsen Ungdomskoleelever – motivasjon, mestring og resultater viser at flest jenter ser for seg et videre utdanningsløp på universitet eller høyskole, mens flest gutter peiler seg inn mot yrkesfaglig utdanning. Unge som ønsker seg videre på en yrkesfaglig utdanning, skiller seg ut gjennom lavere skolemotivasjon og svakere karakterer. For at elevene skal ta gode valg, er de avhengige av god informasjon om arbeidslivet og å ha muligheter til å få gode råd. Noen yrker er kjent for elevene gjennom foreldrene, lokalsamfunn og medier – andre yrker er mer usynlige. Det er også kjønnsforskjeller med hensyn til de unges kjennskap til de ulike yrkene. For eksempel viser det seg at flere jenter enn gutter kjenner til hva en sykepleier gjør, mens gutter har bedre oversikt over håndverksyrker. Men dette er ikke et statisk bilde. I Dagsavisen torsdag i forrige uke kunne en lese om en gledelig utvikling når det gjelder antall gutter som søker seg til helse- og sosialfag. På fire år er antall gutter som søker seg til dette programområdet, økt med hele 70 pst. Siden 2008 har antallet gutter som har førsteåret på helse- og sosialfag som sitt økt fra 812 til 1 383 ifølge ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Tallene fra direktoratet viser også at en høy andel fortsetter det andre året. I den samme artikkelen sier Helga Aune, postdoktor i utdanningsrett ved Universitetet i Oslo, og som har skrevet doktorgrad om deltidsarbeid, at de nye tallene «kan være et tegn på at guttene opplever større og ikke på bakgrunn av forventninger og kjønnsstereotypier i arbeidslivet». Videre sier hun: «Når rammene ikke er like trange som før, blir det også enklere å se hvilke muligheter som finnes.» Prosjektet «Jenter i bil og elektro», som interpellanten Eldegard viser til, vil også gi oss erfaring med mer systematiske forsøk på å utvikle et opplærings- og arbeidsmiljø som gjør at kvinner finner bransjen attraktiv. Slik vil de også bedre Slik vil de også bedre kunne klare å beholde kvinner som allerede er i bransjen. I Aftenposten i forrige uke kunne en lese om at Fylkesmannen i Oslo og Akershus nå foreslår å skrive «daglig leder» i stedet for «styrer» i stillingsannonsene for å gjøre barnehagene attraktive for menn – de er tydeligvis lettlurte, disse mennene, som vi gjerne vil lokke til barnehagene. I dette legger en også vekt på at hvordan man omtaler yrket, kan ha betydning for om kvinner eller menn ser det som et aktuelt yrke for dem. Stillingsannonser som innholder ord som vi vet er viktig for menns yrkesvalg, så som «utviklingsmuligheter», «ledelse», «personalansvar», «fagmiljø» og «veiledningsansvar» løftes også fram her. Men hvordan skal skolene generelt arbeide for å gjøre rammene for hva kvinner og menn kan jobbe med, mindre trange – hvis det er det som skal til for å endre kjønnsbalansen? Det er presisert i forskrift at den enkelte elev skal ha hjelp til å utvikle seg og utnytte sine ressurser, uavhengig av tradisjonelle kjønnsroller. Dette er da et ansvar som den enkelte skole må følge opp. I denne sammenheng blir rådgiving som oppfordrer de unge til å tenke utradisjonelt, viktig. Men hva vet vi om hvordan dette blir fulgt opp i SINTEF foretok en spørreundersøkelse i 2010. Forskerne spurte om skolene hadde fokusering på tiltak for å legge til rette for at ungdommer kan gjøre utradisjonelle yrkes- og utdanningsvalg i henhold til kjønn. Rundt 33,5 pst. svarer at de har en særlig fokusering på dette, mens 55,9 pst. svarer at de ikke har noen fokusering på det. I tillegg er «vet ikke»-kategorien forholdsvis høy. Dette peker mot at bevisstheten rundt kjønn og yrkesvalg er altfor lav. Når f.eks. 10 pst. svarer at de ikke vet om det er en fokusering, kan vi anta at hvis det skulle være det, er det ikke veldig tydelig i det daglige arbeidet. Det er her vi må få til en endring. Rådgivere må i større grad bidra til å åpne handlingsrommet for hva den enkelte elev, han eller hun, kan ha av Når vi ser at rådgivere i skolen legger liten vekt på kjønnsperspektivet, blir det viktig å se på det videreutdanningstilbudet som finnes for rådgivere. Dette ble synliggjort i strategien Kompetanse for kvalitet, fra 2009, samtidig som de anbefalte kompetansekriteriene ble sendt ut til kommunene og fylkene. Før denne tiden var det lokale vurderinger som lå til grunn for å gi kompetanseutvikling til rådgivere. Det nasjonale videreutdanningstilbudet, Kompetanse for kvalitet, består av ulike tilbud på 30 eller 60 studiepoeng. I skoleåret 2010/2011 deltok 149 rådgivere på tilbudene som er opprettet for videreutdanning i rådgiving, på 30 studiepoeng. I skoleåret 2011/2012 er det 122 rådgivere som deltar på de tilsvarende tilbudene. Når det gjelder etterutdanning, har skoleeiere gjennom rapporteringssystemet REV oppgitt at 2 193 lærere deltok på etterutdanning i rådgiving i 2010. De kjønnsdelte utdanningsvalgene og det flerkulturelle perspektivet blir i varierende grad vektlagt som et eget tema når det gjelder videreutdanningene. Det er ikke gitt særskilte føringer spesifisert på noen områder innenfor rådgiving. Men når det gjelder opplegg og tema i rådgivingsstudiet, har Utdanningsdirektoratet tillit til at institusjonene dekker disse områdene. Et godt eksempel på hvordan det kan gjøres, har vi ved Universitetet i Agder, der de har trukket opp det flerkulturelle og kjønn, kjønnsroller og kjønnsspesifikke yrkesvalg som to av flere fokusområder. De har god erfaring med å integrere temaene direkte knyttet til arbeidsliv og

plass. Eg vil takka for svaret frå ministeren. Eg må seia at eg er veldig glad for at me er såpass einige om målsetjingane. Eg trur at me gjennom arbeidet framover òg vert einige om tiltak. Eg er veldig einig i det ministeren seier, at me ved å gjera noko med dette opnar for talent som me elles kunne ha gått glipp av. Det er utruleg viktig. Arbeidsmarknaden treng så god arbeidskraft som og da treng ein å rekruttera frå mykje meir enn berre halvparten av befolkninga. Men eg merkar meg det ho seier, at 55,9 pst. av skulane ikkje fokuserer på å leggja til rette for at ungdommar kan gjera utradisjonelle val etter kjønn, og at 10 pst. svarar «veit ikkje». Eg er veldig glad for at ministeren seier at dette må det gjerast noko med. Her er me òg veldig einige, for sånn kan me ikkje ha det. Informasjonsfilmar frå Utdanningsdirektoratet er òg veldig bra. Ny teknologi er positivt. Eg er veldig einig i at skulen åleine ikkje kan endra samfunnet, og at alle har eit ansvar. Likevel trur eg me må ha nokre tiltak – som eg nemnde innleiingsvis – likestillingsansvarlege, rollemodellprosjekt, leggja til rette for nettverksbygging, sjå til at det er eit godt bidrag frå det offentlege, i tillegg

100 sykepleiere eller helse- og sosialarbeidere – vet vi at vi kommer til å streve med å holde på dem. Vi vet det fra barnehagesektoren. Jeg trodde at vi hadde et stort problem i barnehagene i Norge fordi vi har 10 pst. menn blant de barnehageansatte, helt til jeg traff svenskene, som sier at de har 2 pst. menn. Så ett eller annet har vi klart å få til som svenskene ikke har klart å få til. Det de barnehagene gjør som klarer å rekruttere og beholde menn, sørge for at de rekrutterer flere på en gang, sånn at det er et miljø. Det samme har jeg hørt fra mange jenter som jobber i utradisjonelle, mannsyrker – at det er ensomt å være den eneste jenta, og at det har betydning at det er noen flere der, sånn at det er en litt større blanding i miljøene. Så jeg tror det er avgjørende viktig at de jentene som kanskje velger utradisjonelt i utdanningsløpet, også ser at det er attraktive arbeidsplasser for dem, og at de f.eks. ikke hver dag må begrunne hvorfor de har valgt utradisjonelt. Det er forholdsvis slitsomt. Så er det en ting til, og det er at uansett om det er jenter eller gutter vi ønsker å rekruttere til helsefag – og vi vet at vi kommer til å trenge mange innenfor de områdene framover – må vi sørge for at vi klarer å lage hele stillinger, sånn at det går an å forsørge seg selv, forsørge en familie, få lån i banken og alt dette, når man har kommet seg gjennom utdanningen og er ute i et yrke. Det er klart, det er en stor utfordring, særlig for kommunene som nå får et lappeteppe til å gå i hop gjennom ulike små stillingsbrøker, og der voksne – flesteparten damer – må stille seg i kø for å få ekstravakter. Disse yrkene kommer ikke til å være spesielt attraktive for menn, som kan velge mellom mange andre yrker attraktive for menn, som kan velge mellom mange andre yrker der man ikke ville funnet på å tilby noen små stillingsbrøker. Jeg tror at rollemodeller er utrolig viktig. Jeg tror at i den grad vi klarer å synliggjøre kvinner som har valgt utradisjonelt, og menn som har valgt utradisjonelt, så har det stor betydning. Det er riktig, som representanten Eldegard er inne på, at utdanningsvalgene i Norge er mer tradisjonelle enn i mange land som har lavere kvinnelig yrkesdeltakelse enn det vi har. Det betyr at dette er det fullt mulig å gjøre noe med og la seg inspirere av. Det gjelder å sørge for å holde en vid horisont. Visjonen til Arbeiderpartiet når det gjelder skole, er

Vi kan ikke vente oss en kjønnsrevolusjon med det første. Derfor vil jeg takke interpellant Eldegard for at hun tar opp dette viktige temaet til debatt. Vi har allerede hørt to gode debattinnlegg rundt dette med mange gode poenger, men jeg synes det er viktig å diskutere dette allikevel, for det handler om holdninger. Eneste måten å bekjempe holdninger på er å utfordre dem. Jeg opplever at representanten Eldegard gjør dette på en utmerket måte, og jeg kjenner til at dette er noe hun har vært opptatt av lenge og har personlig erfaring med, også fordi hun har jobbet i et mannsdominert yrke selv. Uten å dra det altfor langt er det ikke helt ulikt den erfaringen det var å sitte i finanskomiteen i forrige periode, hvor det var to kvinner og 16 menn. Hvorfor er dette problematisk? Er det ikke slik at unge menn og kvinner velger fritt hva de selv vil bli? I teorien ja, i praksis nei; utdanningsvalg formes vel så mye av omgivelser som av hva en selv ønsker. Foreldrenes forventninger betyr mye, skolens rådgivning også samt venner og bekjentes valg og preferanser. Forbilder har også mye å si. Før var det utenkelig for unge jenter å bli meteorolog, selv om meteorologer var på tv, og det er attraktivt i seg selv for unge mennesker. Det var eldre menn som meldte været i gamle dager, inntil Siri og viste at det var mulig for unge jenter å velge tunge og spennende realfag til tross for at man er ung og jente. Om dette har påvirket andre realfag, er jeg mer usikker på, selv om Kalvig også har vært en god realfagambassadør ved siden av å reklamere for meteorologi. Men hva kan så disse gruppene gjøre som har påvirkningskraft? Foreldre har et viktig ansvar for å synliggjøre og sannsynliggjøre et bredt spekter av yrker for sine barn, både yrkesfaglig retning, høyskoleutdanninger og mer akademiske retninger på universitetene, enten det er i disiplin- eller profesjonsretningen. Det er ikke lett å trosse mamma, og det er ikke lett å trosse pappa. Kanskje rådgiverne skulle snakket mer med nettopp mamma og pappa, men det kommer man ikke utenom. Å finne en retning, også inn i yrkeslivet, er som oftest ingen lett oppgave. Kanskje de burde måles litt mer opp mot om de klarer å få flere til å velge utradisjonelt kjønnsmessig. Det kunne vært spennende. Forbildene kan samfunnet framheve. Det er blitt gjort gjennom mange ulike kampanjer, bl.a. gir rollemodellbyrået ALFA unge kvinner nye forbilder innen realfag. Her kan nemlig skoler og andre rett og slett bestille besøk fra rollemodeller, som i kraft av seg selv og sin erfaring kan fortelle om sine utradisjonelle karrierevalg. Kanskje vi skal gjøre dette enda bedre kjent. Jeg tror den enkelte blir lykkeligere om vi alle jobber med det vi liker, mestrer og interesserer oss for, men vel så viktig er det for samfunnet som helhet. Alle som har vært på en arbeidsplass dominert av ett kjønn, savner et mer mangfoldig miljø. Arbeidsmiljøet blir bedre om vi blander menn og kvinner. I dag er lønningene for mye preget av om det er tradisjonelle kjønnsrollemønstre i yrkene. Det samme gjelder, som statsråd Halvorsen var inne på, heltid og Kvinneyrkene taper ofte i lønnskampen. Er det mer jevnt fordelt representasjonsmessig mellom menn og kvinner, kan det også slå ut i en mer jevn og rettferdig lønnsfordeling. Dessuten blir trolig arbeidsoppgavene løst bedre om flere treffer godt med yrkesvalget sitt, for de trives rett og slett bedre med oppgavene og yrket sitt og leverer bedre enn om det ikke er slik. Til sist: Dette er krevende områder å løse politisk. Vi har få såkalte harde virkemidler å bruke; holdningsarbeid er det viktigste og mest effektive. Allikevel er det kanskje noen områder innen visse yrker hvor vi skal tørre å bruke kvotering. Ett eksempel ser vi nå ved Universitetet i Oslo, hvor de kvoterer inn menn på psykologistudiet, fordi vi ikke kan komme i en situasjon hvor det bare er kvinner som er psykologer. Fremskrittspartiet er

og gjort at langt flere gutter ville søke seg til yrkene. Statsråden var inne på at det var økning på 80 pst. av gutter som søkte seg inn på helse- og omsorgsfagene. Det er veldig bra. Men utgangspunktet var svært lavt, så da er ikke 80 pst. så veldig mye når vi Men utgangspunktet var svært lavt, så da er ikke 80 pst. så veldig mye når vi gjør det om til tall likevel. Jeg mener at politikerne skal være forsiktige med å pushe for mye ved å oppfordre jenter og gutter til å ta utradisjonelle valg. Det er faktisk ikke alltid det gir best resultat for ungdommen. Jeg kjenner en jente som har tatt utfordringen og tatt en typisk mannsdominert utdanning som innebar tungt fysisk arbeid. Etter å ha brukt opp sine

og at flest mulig tar en retning som faktisk også samfunnet har behov for, slik at de fleste får seg en relevant jobb, som fagarbeidere, sykepleiere, teknologer, ingeniører, lærere osv. Dette er retninger som må prioriteres, og som vi politikere må ta på alvor. Det er faktisk et større problem Det er faktisk et større problem at alle er blitt dårligere i matematikk enn at en finner kjønnspreferanser innenfor utdannings- og yrkesvalg. Dessverre er det situasjonen i norsk skole. Frafallet i videregående skole er kjempestort. Kunnskapen i realfag er dramatisk dårlig. En stor mengde elever, spesielt gutter, kan ikke engang lese når de er ferdig på Dette er også problemer som må løses. Fremskrittspartiet mener det er viktigere at vi konsentrerer oss om disse før vi bruker ressurser på andre og langt mindre alvorlige problemer som ungdommene faktisk har en mulighet til å ordne opp i selv, gjennom frie valg og god informasjon om hva yrkene innebærer. Jeg tror faktisk ungdommene våre er fullt ut i stand til å ta egne valg på eget grunnlag. Den tilliten tror jeg vi skal gi dem uten å pushe altfor mye, som sagt. Dette er et viktig tema.

livet. Da er det svært viktig at den informasjonen som ungdommen har når de skal ta dette valget, er så god som overhodet mulig. Så god rådgivning og god informasjon må gi gode forutsetninger for å ta trygge yrkesvalg. Det er gode argumenter for at vi skal rekruttere bredere til yrker der vi har stor dominans av det ene For det første betyr det skjeve yrkesvalget sannsynligvis at mange ungdommer fratar seg selv noen muligheter som de da kunne få mulighet til å prøve ut. For det andre har flere vært inne på at det mangfoldet man får på en arbeidsplass med en bedre kjønnsfordeling, også gjør noe Det drives og har vært drevet kampanjer opp gjennom tidene for flere kvinner inn i mannsyrker og flere menn inn i kvinneyrker. Vi registrerer at det tas små steg i riktig retning. Statsråden var selv inne på at andelen menn i barnehagene nå er kommet opp i 10 pst. Vi er ikke fornøyd med det, men en gang var det faktisk ingen der. Så fra ingen er vi nå kommet til Men det er viktig likevel, mener Høyre, å respektere de valg ungdommen selv gjør, enten de velger tradisjonelt eller utradisjonelt. Det å velge utdanning som man er komfortabel med, tror vi også har noe med motivasjon å gjøre og muligheten til faktisk å fullføre den utdanningen man starter på. Det har vært trukket fram eksempler med «Jenter i bil og elektro» og det å få fram gode rollefigurer. Jeg har tro på den den typen kampanjer eller tiltak, og at de jentene eller de ungdommene som tar utradisjonelle valg, kan være veldig gode ambassadører for faget overfor andre av samme kjønn. Men statsråden var inne på at en god rådgivningstjeneste er en fundamental forutsetning for at vi skal lykkes bedre i å få ungdom av begge kjønn til faktisk å se hele spekteret av yrker og se at her kan det være muligheter også der man kanskje ikke i første omgang hadde tenkt at man skulle lande. Fra Høyres side har vi reist spørsmålet om det er god nok kompetanse i rådgivningstjenesten i grunnskolen, vi har spurt om det er god nok kompetanse i rådgivningstjenesten i videregående opplæring, og vi har spurt om det burde være grunnlag for at man skulle se på og få til et tettere samarbeid der. samtidig det er fundamentalt viktig at det er god kontakt mellom skole og arbeidsliv, nær sagt fra ungene begynner på skolen. Det å bli kjent med mangfoldet og bredden i arbeidslivet i lokalsamfunnet er også med på å gi elevene impulser med hensyn til hva slags valg de skal gjøre Så har jeg lyst til å si at mange yrker har forandret seg svært mye, og vi har vært inne på at foreldrene er veldig viktige premissleverandører for hva slags valg ungene gjør. Da er det kanskje sånn at man vel så mye må rette innsatsen mot foreldrene for at de skal se at her er det mange fag som ikke har det samme innholdet som faget hadde da de gjorde sine yrkesvalg. Å være bilmekaniker er mindre og mindre å skru – det er mer og mer IKT og elektronikk. På samme måte står vi nå overfor store endringer innenfor helsefagene, der velferdsteknologien er på full fart inn. Kanskje kan det også bety at guttene kan være på full fart inn i et yrke som til nå har vært veldig kvinnedominert. Her må vi nå på en måte også spille på den utviklingen som er i arbeidslivet, både teknologi, som er på tur inn, og det at man får andre måter å jobbe på, slik at det kan bidra til å gjøre at vi får større drive og fart på utjevning av kjønnsbalansen i en del av de yrkene hvor vi ser at det absolutt er størst ubalanse. Likestilling er viktig, men det må ikke bli noen tvangstrøye. Vi må på en måte ikke komme dit at vi gir ungdom dårlig samvittighet fordi de følger interessene sine. Men samtidig er det sånn at det er svært viktig at mange flere tenker seg grundigere om før de gjør sitt valg. valg. Kanskje skulle man ta sjansen og ikke satse så safe, fordi det kan ligge noen muligheter der ute som man i første omgang kanskje ikke hadde tenkt at man skulle benytte seg av.

Noe kan gjøres i den enkelte bedrift, men i hovedsak ligger grunnlaget for endringene i skolen, i holdningene hos oss foreldre, hos lærerne og i samfunnet for øvrig, som veldig mange nå har vært inne på. Gjør som jeg sier, ikke gjør som jeg gjør, er et kjent ordtak. Unger trenger forbilder som gjør som de sier! Siden det snart er påske, føler jeg at det er føler jeg at det er nå vi kommer raskt inn på debatten om høna og egget. Hva kommer først? Hva skal vi gripe fatt i? Unger må ha forbilder, og de må møte dem tidlig. Har vi ønsker om å ha en jevnere kjønnsbalanse, må ungene møte begge kjønn allerede i barnehagen. Det gjør de i altfor liten grad i dag. Her er altså barnehagebarna eggene. Førskolelærerne anser jeg som hønene, og så er det kanskje dem vi må satse på først. Kort sagt trenger vi flere gutter til å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeidere og førskolelærere. Da må de søke seg til studier i videregående som gir mulighet for det. Mange er opptatt av utfordringa med at det er for få menn i utdanningssystemet, men det blir kanskje mest små blaff. Vi kan lese om det i media. Et svært stort antall barn som går i barnehage, har nesten ingen kontakt med menn i løpet av sin hverdag. Med full barnehagedekning er det svært viktig at vi bedrer kjønnsbalansen blant personalet. At det også er mangel på personale med utdanning i barnehagene, gir store utfordringer, men jeg vil også si at det gir store muligheter til å rekruttere nettopp gutter, dette fordi de vil ha et stort fortrinn dersom de entrer førskolelærerutdanninga og søker jobb. Vi trenger menn som skjønner gutter, helt fra barnehagealderen av. For å velge førskolelærerutdanning eller lærerutdanning, som også sliter med mangel på menn, tas valget for mange allerede i ungdomsskolen. Interpellanten peker på aktive fylkeskommuner og ildsjeler som får til alternative utdanningsmuligheter for elevene. Men i og med at valget av videregående utdanning tas i ungdomsskolen, er det avgjørende at vi har en god rådgivningstjeneste som ser og mulighetene i førskolelærer- og læreryrket allerede før elevene velger videregående opplæring. Å styrke rådgivningstjenesten er et kontinuerlig arbeid, og vi må hele tida bli bedre både i ungdomsskolen og i videregående utdanning akkurat på det. At regjeringa innførte faget utdanningsvalg, er også viktig for å få til mer utradisjonelle utdanningsvalg. Dette faget skal nettopp fokusere på elevenes sterke sider og gi innblikk i de utdanningsmuligheter og yrker som kan passe for eleven videre, også yrker som gjør dem til rollemodeller senere. Det har også interpellanten pekt på. Så blir det også viktig å sørge for at rådgivning fra videregående skole blir så god som mulig. Jeg har i dette innlegget lagt hovedvekt på å få gutter inn som barne- og ungdomsarbeidere, førskolelærere eller lærere. Men en bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet handler også om at jenter velger noe annet enn det mor har gjort. Jeg bruker å si at jenter som vil redde verden, bør velge realfag. Med tanke på å løse de store eller små utfordringene i verden trenger vi flere jenter. Jenter må til for å løse klimautfordringene og for å forske på hvordan vi kan fø en voksende befolkning i en verden med knapphet på rent vann og energi. Realfagene danner bakgrunnen for dette, og interessen for realfag må framelskes like mye hos jenter Som kunnskapsministeren sa, er det i dag jenter som er majoriteten blant studentene i høgere utdanning. Det bærer bud om at det er endringer på gang. Vi ønsker oss flere jenter inn på mer utradisjonelle yrkesfag for å ta fagbrev også. For å få til det må elevene altså møte sine rollemodeller allerede fra barnehagen av, og vi som styrende myndigheter må i storting, i fylkesting og i kommunestyrene til stadighet sørge for å holde debatten varm. Vi må løfte fram de gode eksemplene, tilsette og ellers legge til rette for gode tiltak. Så har jeg ikke nevnt lønn med ett ord enda. Lønn er det sjølsagt også viktig å ha fokus på. Debatten har så langt vist at det er viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Her kan vi altså ikke fortape oss aldeles i debatten om høna og egget, men heller legge mer vekt på å gjøre flere ting samtidig og ha mer fokus på hønsefrikassé, for å si det sånn.

Som interpellanten også sier, har Norge et av OECDs mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Det må vi huske på, og vi må huske på at det også fører til økte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, ulik fordeling mellom offentlig og privat sektor og ulikhet i sosiale ordninger på tvers av kjønn. Handlingsplanen for likestilling i skolen er lite målrettet for de reelle SINTEF gjennomførte på oppdrag av Utdanningsdirektoratet en undersøkelse om hvilke tiltak skolen har for å sikre kjønnsmessig utradisjonelle valg av yrke og utdanning. De få tiltakene man har i grunnskole og videregående opplæring, er rettet mot at jenter skal velge realfag eller landbruk, ikke tiltak rettet mot gutter eller mot andre aspekter i fag- og yrkesopplæringen. Rådgivningstjenesten er nøkkelen til løsningen, slik Venstre og også flere her i denne sal ser det. Med gode, kvalifiserte rådgivere som vil være akkurat det, og som er gode på akkurat det, vil mye være løst. I Sverige er studie- og yrkesveiledning en egen treårig bachelorutdanning med mulighet til påbygging til master, en egen profesjon i skolen og arbeidsmarkedsetaten – ikke en videreutdanning for lærere. Venstre mener vi må være åpne for å se på en slik utdanning og profesjon også i Norge og være åpne for at det er andre kvalifikasjoner enn pedagogiske og didaktiske som må til for å være en god studieveileder. Studie- og yrkesveiledere skal ha tid, ressurser og kompetanse til å se den enkelte elev. Får vi det på plass, er mye gjort. Forholdet mellom kjønn og yrkesvalg er ikke konstant, det forandrer seg over tid. Læreryrket er det beste eksemplet på det. På begynnelsen av 1900-tallet var det nesten bare menn som var lærere, lektorer og undervisere. Det er klart at i stillinger som handler om oppdragelse og forbilder for mange, er det viktig med mangfold, og det er viktig med både kvinner og menn. Det er ikke noe statisk. Jus, medisin og teologi er andre studier med samme utvikling. I dag er det langt flere kvinner enn menn som studerer teologi, til og med på Det er viktig ikke å svartmale. Det er bra at mange gutter vil arbeide med teknikk og industriell produksjon. Det er bra at mange jenter vil arbeide innen helse- og sosialfag. Men det hadde ikke gjort noe om flere av det motsatte kjønn ville gjøre det samme. Venstre mener at vi trenger en økt satsing på rådgivningstjenesten for å gjøre dette mulig. Vi trenger en handlingsplan for rådgivning og veiledning, slik Venstre

det. Jeg vil rette en takk til interpellanten, som satte dette temaet på dagsordenen. Tidligere i dag hadde jeg besøk her på Stortinget, og i god tradisjon stoppet vi opp ved maleriene av to kvinner som hadde, og fremdeles har, en stor plass i norsk politikk. Så slo det meg at de hører hjemme også i denne debatten. At Kirsti Kolle Grøndahl den Kirsti Kolle Grøndahl den 11. oktober 1993 ble den første stortingspresidenten, var ikke uventet, men det var spesielt nok til at hun fikk sin rettmessige plass i historien om kvinner som har vist vei ved å si ja til politiske verv som tidligere var forbeholdt menn. Snur vi oss rundt mens vi oppholder oss på gangen, ser vi bildet av Anna Rogstad. Den 17. mars 1911 var en historisk dag fordi hun denne dagen ble Norges første kvinnelige stortingsrepresentant. stortingsrepresentant. Gjennom sitt ja til å gå inn i politikken ved å ta et politisk verv som på denne tiden var et meget utradisjonelt karrierevalg, beviste hun at kvinner hadde, og har, sin selvfølgelige plass der beslutningene tas. Ser vi på bildet bak meg, burde de også ha vært i den salen. Anna Rogstad kjempet også for en annen viktig sak, som absolutt har relevans til det vi diskuterer her i dag. Anna Rogstad kjempet også for en annen viktig sak, som absolutt har relevans til det vi diskuterer her i dag. Anna Rogstad var som kjent lærerinne av yrke, men hun var også kvinnesakskvinne, og hennes store kampsak var å styrke jenters utdanning. I år 1900 startet hun «Fortsettelsesskolen for unge piger». Bare det å gi og få utdanning utover folkeskolen var ingen selvfølgelighet på denne tiden, men det var viktig for å få kvinner til å velge det utradisjonelle, en mulighet til å forlate kjøkkenbenken, til å være kvalifisert for arbeid.

selvfølgelighet. I dag triller menn barnevogn og tar pappaperm, mens kvinner har tunge styreverv og er profesjonelle toppidrettsutøvere. I dag er det ingen som reagerer på at kvinner inntar hvilken som helst posisjon i vårt samfunn, og sånn skal det også være. Til tross for at mye positivt har skjedd, og ikke minst skjer, er vi ikke helt likestilte. Menn eier mest, eier mest, tjener mest og har de mest prestisjetunge posisjonene, mens kvinnene fremdeles har hovedansvaret for hjem og familie og arbeider deltid i helse- og omsorgssektoren. Men det er en endring på gang, noe også denne debatten viser. Vi registrerer at det fremdeles er jentene som viser vei. De er mye flinkere til å velge utradisjonelt enn guttene, og det er bra. Utfordringene er, som flere har vært inne på, å få guttene til å følge jentene i større grad. Å få flere gutter til å velge omsorgsyrker er og blir en utfordring. Det viktigste vi kan gjøre, er å ansvarliggjøre oss selv for at dette er og blir tema på de arenaer våre barn befinner seg på i hele utdanningsløpet, og ikke bare i barnehagen og på skolen, men også rundt kjøkkenbordet. Til det siste – kjøkkenbordet er kanskje en undervurdert politisk arena. Rundt bordet kan vi som foreldre, som flere har vært inne på, bidra til å bygge opp både barnas selvtillit og troen på at de valg de senere skal ta, er i tråd med deres egne ønsker og ikke våre. Og kanskje gjør det noe med våre egne holdninger når vi kan ta del i våre barns ønsker framtidige utdannings- og yrkesvalg, enten de går innunder kategorien tradisjonelle, eller – og kanskje mest da – kategorien utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Som beslutningstakere må vi innse at Norge fremdeles har et kjønnsdelt arbeidsliv. Selv om det skjer mye spennende, arbeider kvinner og menn i stor grad i ulike bransjer, sektorer og yrker. yrker. Kanskje det er en for snever innfallsvinkel, men jeg tror at gutter ikke velger kvinnedominerte yrker fordi det i stor grad handler om lønn, og at deltid er for utbredt på kvinnedominerte arbeidsplasser. Regjeringen er bevisst på dette og arbeider for å fjerne ufrivillig deltid, og at de som ønsker, får arbeide heltid. Selv om noen hevder at vi ikke har et likelønnsproblem i Norge i dag, er det en realitet. Regjeringens stortingsmelding om likelønn er et godt eksempel på at man har ulike tiltak man kan gjøre noe med. Til slutt: At vi er der vi er i dag, gjør meg stolt, men ikke fornøyd. Vi har utfordringer, men den grunnmuren som er lagt gjennom bevisste politiske valg, først og fremst innenfor arbeiderbevegelsen, gjør meg sterk i troen på at vi skal finne gode løsninger, også på de utfordringene som ligger til grunn for denne debatten. For å lykkes må flere engasjere seg i slike viktige politiske saker. Det må ikke være slik at dette er en problemstilling som bare bæres fram av kvinner, også vi menn må på banen. Ser vi hvem som deltar i denne debatten, er vi i dag to stykker. Min oppfordring til menn er: Kom på

Å motivere menn til å velge sykepleie eller kvinner til å velge yrkesfag kan handle om å vise fram muligheter man kanskje ikke visste man hadde. Som statsråden var inne på: Målet er ikke 50–50 i alle utdanninger, men at alle velger blant alle mulighetene og ikke bare blant halvparten. I en verden full av utdanninger, yrkesveier og overflod av informasjon føles det gjerne trygt å følge strømmen. Mange fag domineres sterkt av ett kjønn, enten gutter eller Men det skjedde en betydelig vridning i forrige kvarte århundre. Veksten av kvinner i helse- og sosialfag og i lærerutdanning stoppet opp i 1990, mens utdanninger som har vært mannsdominerte, som økonomisk-administrative fag og primærnæringsfag, i dag er mer eller mindre kjønnsnøytrale, med en kvinneandel på nærmere 50 pst. Kvinneandelen i naturvitenskapelige fag og samferdsels- og sikkerhetsfag er ikke like høy, men har økt der også og er i dag på rundt en tredjedel.

Flere jenter valgte realfag. Kanskje blir det dem som står for framtidens framskritt, oppfinnelser og oppdagelser. Når universitetene fritt kan velge de beste forskerne blant både mannlige og kvinnelige kandidater, er sjansen dobbelt så stor for å velge de beste. Noen yrker er særlig forbundet med å jobbe med mennesker, men også der kan man se virkeligheten annerledes hvis man tenker utenfor boksen. Jeg fant en Jeg fant en god tekst på velgriktig.no, som eies og driftes av Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering. Der het det at også realfag og teknologi kan gi deg en jobb med mennesker: «Du kan skaffe rent drikkevann til jordas fattige, du kan varsle tsunami og flomkatastrofer, du kan utvikle vaksiner mot alvorlige sykdommer og mye, mye mer.» Å velge rett er viktig i den enkeltes utdanning og yrkesvalg. Men at flest mulig finner fagene de virkelig ivrer for, er også viktig for samfunnets økonomi, vekst og utvikling. Det vi ivrer for, gjør vi oftere, og det vi gjør oftest, er det vi blir best til. Hvis flere lykkes i å finne fagene man virkelig ivrer for, øker interessen, lærelysten og innsatsen. Man øver oftere og blir endra bedre, og etter hvert enda dyktigere i yrket sitt. Intuitivt må det være riktig at et utdanningssystem der flest mulig velger rett, får virkeliggjort sitt potensial, utfoldet seg og føler seg hjemme, skaper mer fornøyde arbeidstakere, mer trivsel og høyere økonomisk vekst. Jeg tror at kjønnsbalansen i utdanninger og yrker henger nært sammen med rådgivningstjeneste og yrkesveiledning, fordi man må vite om en utdanningsmulighet før man reelt kan vurdere den, avgjøre om man ivrer for den eller ikke,

Me hadde to mål i det nettverket: Det eine var å få fleire jenter til å velja utradisjonelt, og det andre var å ta vare på dei som faktisk allereie hadde valt. Det trur eg me må jobba med vidare òg. Eg er veldig glad for alle innlegga her. Representanten Aasen snakka om meteorologi, og eg synest det var ei veldig god historie som viser

frå fråfall, realfagsopplæring og kunnskap. Det er eg heilt ueinig i. Eg trur at me klarer å ha fokus på begge delar, i alle fall når me har den regjeringa me har no. Eg syntest Høgre hadde eit veldig godt innlegg. Ein var veldig oppteken av dette med rådgjeving. Det er òg Venstre. Eg er dette med rådgjeving. Det er òg Venstre. Eg er veldig einig i det med rådgjeving. Eg hadde eigentleg eit langt eksempel på korleis rådgjeving verkar, men det får eg nesten ikkje tid til å ta. Men betre rådgiving allereie i ungdomsskulen er kanskje noko av det beste me kan gjera i samarbeid med dei vidaregåande skulane. Det som eg nemnde i eksemplet med Oslo kommune om utdanningsval, der ein no jobbar med

innholdet i ulike yrker nå, og at man er bevisst at en ikke bare går i den tradisjonelle fella når man skal gi råd og veiledning til ungdom. Jeg tror det er veldig viktig at rådgivere i videregående skole og i ungdomsskolen samarbeider. Faktisk er det slik at fylkeskommunene har vel så stor glede av god rådgivning i ungdomsskolen som kommunene har, for hvis ungdom velger feil, er det fylkeskommunen som sitter med ansvaret. Så er det selvsagt slik at det er viktig med flere menn i barnehagene og flere menn i småskolen osv. Men det er kanskje én ting som vi ikke har lagt merke til i debatten, og det er at det er mange flere barn som har mye bedre kontakt med fedrene sine i dag enn i tidligere generasjoner. Vi har oppmuntret til det gjennom systematisk satsing på pappaperm. Det betyr at mange flere fedre investerer mer tid i barna sine. Og hvis man går en generasjon eller to tilbake, var pappa en som kom hjem fra jobb, spiste middag, la seg på sofaen og så Dagsrevyen, og som barn hadde lite kontakt med, i hvert fall gjennom uka – kanskje var det en tur i løpet av helgen. Når vi da vet at det er vanskelig for skolen å oppheve den påvirkningen som foreldrene har, så Dagsrevyen, og som barn hadde lite kontakt med, i hvert fall gjennom uka – kanskje var det en tur i løpet av helgen. Når vi da vet at det er vanskelig for skolen å oppheve den påvirkningen som foreldrene har, tror jeg at det kan ha ganske stor betydning framover. Vi vet nemlig en ting til, og det er at det er fedrenes påvirkning også av døtrene som har størst betydning – litt større betydning enn mødrenes. Det er selvfølgelig en stor sorg for oss som er mødre, men jeg tror at vi kan se noen interessante ting

Noen av fagskolene, de tidligere 6A-skolene, endte opp med fortsatt å være statlig finansiert, noe som igjen kan føre til svært forskjellig finansiering for skoler i samme geografiske område. Dette er ikke heldig, og siden pengene disponeres fritt av fylkeskommunene, er det stadig spenning omkring hva den enkelte skole får av ressurser til å drive sin skole. At det for de private fagskolene er en annen skoleeier, fylkeskommunen, som skal fordele pengene, er jo i seg selv en underlig løsning. Jeg skal ikke utdype mer omkring finansiering nå, for det er ikke hovedtema i denne interpellasjonen, men bare minne om at vi i Høyre flere ganger har tatt til orde for at finansieringen bør være statlig for alle fagskolene. Det var viktig å ta med dette som en av grunnene til den frustrasjonen som er uttrykt over uforutsigbarheten for skoleslaget. Fagskolene skal etter Stortingets mening ha en sentral Spesielt helsevesenet har i dag en stor utfordring ved at ufaglærte etter lengre vikariater har fått fast arbeid i kommunene, men trenger en vei for å komme inn i utdanning og få fagbrev eller annen formell utdanning. For disse er fagskolen et svært godt alternativ. Det finnes også mange med yrkesfaglig utdanning som opplever at det kreves ytterligere faglig påbygging og dybdekunnskap for å kunne gjennomføre arbeidet. Fagskolen er jo nettopp en slik yrkesrettet utdanning. Muligheten for faglig yrkesrettet påbygging og videre studier eller fullføring av fagutdannelse er av stor betydning for de mange som av en eller annen grunn ikke har fullført dette tidligere, og de siste års utvikling med et økende antall elever som ikke fullfører fagutdanningen, har styrket behovet for dette tilbudet. Mange av dem som ikke fullfører, har etter noen år fått motivasjon til å gå videre. Fagskole kan også være et svært godt tilbud til unge som finner ut at de vil endre retning i utdanningen, eller rett og slett har fått inspirasjon til å ta utdanning innenfor fagområder aller arbeidsområder de har tilegnet seg erfaring i. Meld. St. 13 for 2011–2012, Utdanning for velferd, understreker på ny den viktige plassen fagskolen har i utdanningen. Det er interessant å lese de betraktninger departementet der har gjort seg omkring opptakskriteriene til fagskoleutdanningen. Det er nettopp til disse kriteriene en stor del av frustrasjonene i sektoren også knytter seg. NOKUT har med henvisning til merknadene til kapittel 5 i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning strammet inn på opptakskriteriene til fagskolestudier. I lov om fagskoleutdanning slås det fast at utdanningen skal bygge på «relevant videregående utdanning». Med henvisning til forskriften mener NOKUT at dette betyr at dersom det overhodet finnes et tilbud ett eller annet sted i landet som kan være relevant for fagskoleutdanningen, er det kun elever fra dette tilbudet som kan starte på fagskoleutdanningen. Dette står i sterk kontrast til ønsket om at fagskoletilbudene skal tilpasses behovet i de forskjellige regioner, avhjelpe når det oppstår nye behov, og et ønske om at fagskoleutdanning også kan være en arena for faglig reorientering. Det er nettopp på bakgrunn av dette departementet i Meld. St. 13 slår fast at det må kunne legges til grunn en vid tolkning av begrepet «relevant videregående opplæring». Dette finner en også støtte for i forarbeidene til lov om fagskoler. Jeg registrerer at når det nå åpenbart er et stort behov for å utdanne flere til arbeid i velferdsyrkene, er det politisk vilje til å hente fram den vide fortolkningen av loven. Det er også spennende å merke seg at svært mange av organisasjonene for ansatte i velferdsyrkene ønsker at det skal åpnes opp for elever med generell studiekompetanse, altså legge til grunn den vide tolkningen av loven. Når det gjelder fagskoletilbud til andre yrker som ikke nødvendigvis krever så store studentmengder, er det imidlertid NOKUT som styrer politikken med sin snevre tolkning og med totalt fravær av evnen til å vurdere virkeligheten når det gjelder opptaksgrunnlaget for utdanningene. Jeg tror alle i denne sal forstår at det kan være stort behov for en fagskoleutdanning på Sørlandet, uavhengig av om det finnes et videregående tilbud innenfor – eller med en eller annen tilknytning til – samme fagområde f.eks. i Tromsø. Men NOKUT sier da at det bare er elever fra tilbudet i Tromsø som kan søke fagskoletilbudet på Sørlandet, fordi dette tilbudet finnes. Dette kan jeg ikke se at på noen måte er i tråd med intensjonen Stortinget har hatt for fagskoletilbudet. Det er derfor jeg har framsatt denne interpellasjonen i dag. Høyre mener det er på høy tid at statsråden tar tilbake den politiske styringen på dette feltet og sørger for at NOKUT praktiserer lovverket på samme måte som regjeringen og departementet har gjort det i den framlagte stortingsmeldingen jeg har referert til. Dette er en del av den forutsigbarheten fagskolene har spurt etter. Så er det mulig at statsråden nå vil rettferdiggjøre det hele med å vise til at det skal settes i gang forsøk med opptak av elever også med generell studiekompetanse til noen av fagskoleutdanningene. Helse- og sosialfagene har en prøveperiode allerede, og de nye forsøkene skal gjøres innenfor fagområdet kunst, kultur, design og håndverk og fagområdet media og kommunikasjon. Jeg synes egentlig at det beste svaret på dette forsøket kom i høringsuttalelsen fra Samordna opptak, og den vil jeg referere: «Samordna opptak ser ikke nødvendigheten av å innføre en forsøksordning for å ta opp studenter på grunnlag av GSK. Etter det vi kan lese i kapittel 4 i departementets tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011, er det allerede mange fagskolestudenter som er tatt opp på grunnlag av generell studiekompetanse og realkompetanse. Rapporten opplyser at 29 % av studentene ble tatt opp på grunnlag av generell kompetanse og 7 % ble tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriteriene ovenfor. Slik Samordna opptak ser det, er forskriftsteksten ikke til hinder for å ta opp studenter på grunnlag av generell studiekompetanse. Etter vårt skjønn er det derimot formuleringene i merknaden til kapittel 5 som utelukker opptak på grunnlag av generell studiekompetanse og tilsvarende. Det burde derfor være tilstrekkelig å endre merknaden.» Mange studenter venter også på en avklaring og forutsigbarhet. Løsningen er altså ganske enkel, men den krever politisk styring. Mitt spørsmål til statsråden er derfor om hun vil ta tilbake politisk styring i denne saken og sikre at lovgivers intensjon oppfylles, slik at fagskolene kan være et godt og ikke minst tilgjengelig tilbud for

utarbeidelse av tilstandsrapport for fagskolene det pågående arbeidet med å inkludere fagskolene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket Det er også satt i gang et arbeid med en nasjonal kandidatundersøkelse for fagskolekandidater. Regjeringen vil dessuten komme tilbake til Stortinget med en vurdering av eventuelle endringer i finansieringsordningen for fagskoler i kommuneproposisjonen for 2013. Jeg er enig med representanten Harberg i at fagskolene skal tilpasse sine utdanningstilbud i tråd med regionale og nasjonale behov, og at det skal være fleksible opptakskrav for å komme inn på fagskolene. Samtidig må de som blir tatt opp på fagskoletilbud, være kvalifisert, slik at de får et læringsutbytte som tilfredsstiller det nivået som læringsutbyttebeskrivelsene legger opp til. Det er det som er fastsatt i NOKUTs retningslinjer. Opptak til fagskoleutdanning skjer i dag på tre måter: opptak på bakgrunn av fag- eller svennebrev opptak på bakgrunn av generell studiekompetanse opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering Opptak på bakgrunn av bare generell studiekompetanse skjer til fagskoleutdanninger hvor det ikke eksisterer et beslektet fagbrev i videregående opplæring. Jeg er ikke enig med representanten Harberg i at rammebetingelsene for opptak til fagskoler er uforutsigbare, men det kan likevel være rom for mer presise formuleringer. Det kan f.eks. være slik at en i fagskoleloven og i lovens forarbeider ikke er tydelig nok på i hvilke tilfeller det skal kreves fagbrev som opptakskrav. Det rettslige utgangspunktet for opptak er imidlertid presisert i merknadene til forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og Der fremgår det at fagskoleutdanninger som bygger på fagbrev fra videregående opplæring, skal ha dette fagbrevet som opptaksgrunnlag. Departementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning med merknader har vært på ordinær høring i forbindelse med forslaget til endringer. Det kom ingen sentrale innvendinger mot vårt forslag knyttet til opptak i fagskoleutdanning. NOKUTs tolkning av nevnte regelverk, hvor det i enkelte tilfeller stilles krav til fag- eller svennebrev fra videregående opplæring for opptak til fagskoleutdanning, er i samsvar med det som er departementets intensjon med forskriften. Dette sikrer at studentene får et forsvarlig læringsutbytte. Jeg mener likevel at det kan være aktuelt å se nærmere på om det i større grad bør være anledning til å gi opptak til fagskoler på bakgrunn av generell studiekompetanse. Kunnskapsdepartementet har derfor, fra og med 15. februar i år, iverksatt en prøveordning. Dette innebærer at fagskoler som tilbyr fagskoletilbud innenfor fagområdene kunst, kultur, design og håndverk og media og kommunikasjon kan etablere tilbud med generell studiekompetanse som opptakskrav. Formålet med prøveordningen er bl.a. å sammenlikne opptakskompetanse med sluttkompetanse. Vi ønsker altså å finne ut om det er forskjell i sluttkompetansen ut fra om studentene er tatt opp på grunnlag av fag- eller svennebrev eller generell studiekompetanse. I tillegg vil flere grupper få mulighet til å ta fagskoleutdanning, og det vil også bidra til at flere får reelle muligheter til livslang læring. De fagskolene som ønsker å delta i prøveordningen, må på vanlig måte søke NOKUT om godkjenning av fagskoletilbudet. Departementet kan beslutte at prøveordningen også skal omfatte andre fagområder. Dersom det blir aktuelt, vil berørte instanser i sektoren, som bl.a. Nasjonalt fagskoleråd, få seg forelagt et slikt forslag. En eventuell utvidelse av prøveordningen må også ses i sammenheng med stortingsmeldingen om utdanning for velferd Der foreslår vi bl.a. at det skal iverksettes forsøk med helse- og sosialfaglig fagskoleutdanning basert på annen videregående opplæring enn fagbrev og yrkeskompetanse. Det er altså en bevegelse i denne saken som burde være interessant for interpellanten. Den pågående prøveordningen vil bli evaluert, og på bakgrunn av evalueringen vil vi vurdere om opptaksreglene i fagskolelovgivningen skal forandres eller presiseres. Gjennom disse grepene vil regjeringen sørge for at det tilbys et godt og kvalitetssikret nasjonalt fagskoletilbud, og at tilbudet skal være tilgjengelig for de søkerne som er kvalifisert. Vi vil fortsette den gode dialogen vi har med Nasjonalt fagskoleråd, og også med studentorganisasjonen for fagskolestudenter, som nå er under etablering. Dette vil bidra til at fagskoletilbydere og studenter får gode og forutsigbare rammevilkår å forholde seg til.

eller opprettet tilbud med bakgrunn i det som har vært praksis. Så etableres det forsøk, men det er det bare noen fagområder som får være med på, eller tilbudet blir etablert innenfor en viss tidsepoke. Og det er disse endringene hele tiden som er uforutsigbarheten. Derfor er det viktig at en skjærer gjennom, og det er jo underlig at en skal måtte gjøre forsøk på det som har vært praksis i lang tid. Det er uforståelig. Det er altså sånn at hvis du vil ta journalistutdanning på fagskolen, er det et tilbud i videregående skole som har foto som en del av utdanningen. Da har du relevant videregående opplæring som gjør at du kan komme inn på journalistutdanningen. Men generell studiekompetanse, med alt det du lærer i løpet av årene som gir generell studiekompetanse, kvalifiserer altså ikke til en slik journalistutdanning. Jeg tror heller ikke statsråden er enig i at det er en logisk tolkning av dette, men det er altså NOKUTs tolkning – og det er disse tingene vi vil påpeke og gjerne vil at det skal gjøres noe med. Det er veldig fint at resultatet sjekkes, og, jeg må si, ikke minst at utbyttet av utdanningene sjekkes – i dette tilfellet er det pekt på at en skal sjekke

for de flokkene med ungdom som vi nå vil gi kompetanse til, og som kan gå ut i en jobb etterpå. Jeg er helt enig med interpellanten i at fagskolene er et veldig viktig tilbud. Det når en del ungdom med annen type studietilbud, eller utdanningstilbud, enn det det ellers ville vært mulighet for på høyskoler eller andre steder i utdanningen. Det gir et tilbud til dem som har tatt yrkesfaglig utdanning om å gå videre på sin vei, ikke bare til ungdom, men også til ganske mange unge voksne. Så fagskolene har et nedslagsfelt innenfor utdanning som det er veldig viktig å ta vare på og videreforedle. Så har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på at de forsøkene som er satt i gang så langt, har sine begrensninger. For i mitt svar er jeg veldig tydelig på at hvis det er andre som nå ønsker å sette i gang med den typen forsøksordninger, er vi åpne for å vurdere søknadene, som altså går utover kunst, kultur, design og håndverk og media og kommunikasjon. Så kan vi ta med oss de erfaringene vi får derfra, sånn at fagskolene etter hvert finner sin mer – hva skal en si – tydelige, trygge plass innenfor utdanningssystemet. Så er jeg klar over at mange fagskoler synes det er utrygt at det nå er fylkeskommunene som er deres eiere, og som skal stå for finansieringen. Det er en diskusjon som vi også har, og som vi, som jeg sa i mitt innlegg, kommer tilbake til i forbindelse med kommuneproposisjonen, for det fylkene fra før av har ansvaret for, er videregående opplæring. Dette er tilbud, og det er krevende for en del fylker å se akkurat hvordan de skal få dette innpasset. Vi er både i dialog med fylkene og følger opp dette i det videre Gjennom dei siste åra har yrkesretta utdanning fått stadig større merksemd. Som ein konsekvens av fråfall i vidaregåande opplæring er det fleire og fleire som no set fokus på yrkesfaglege karrierevegar etter avslutta vidaregåande opplæring. Fagskulen er, men vil i endå større grad kunne ein attraktiv utdanningsveg for dei som søkjer korte, yrkesretta utdanningar. Eg trur at ei styrking og synleggjering av fagskuleutdanninga overfor ungdom vil kunne skape gode karrierevegar og eit redusert fråfall. Skal vi styrkje Noreg som kunnskapsnasjon i åra framover, må vi ha mykje større fokus på vaksne si læring. Vi må ha ein meir offensiv etter- og Her vil fagskulane kunne spele ei betydeleg rolle gjennom den fleksibiliteten, den store breidda og den nære kontakten med arbeidslivet som kjenneteiknar denne utdanninga. Vi ser også eit stadig aukande behov for å byggje på og byggje om kompetansen gjennom yrkeskarrieren. Regjeringa vil styrkje fagskulane og leggje til rette for meir heilskap og samanheng mellom utdanningsnivåa. Fagskulane må få ei klart definert rolle i utdanningssystemet. Det betyr at vi som samfunn må verte flinkare til å bruke og vidareutvikle den kompetansen som vi finn i fagskulen rundt om i landet. Det betyr vidare at fleire bør få tilbod om fagskuleutdanning. Vi bør ha som mål at denne utdanninga skal gi betre utteljing i arbeidslivet og inn mot andre delar av utdanningssystemet. Det er avgjerande at fagskulen si nære tilknyting til kompetansemiljøa i arbeids- og næringsliv vert vidareført. Fagskulane har ei unik moglegheit til å tilby utdanningar for framtidas kunnskapsarbeidsplassar. Det er veldig positivt at det er brei politisk vilje til å satse på fagskulane. Store rekrutteringsbehov i mange yrke betyr dessutan auka etterspørsel etter relevant fagskuleutdanning. Dessutan opplever vi eit sterkt engasjement frå mange bransjar for eit endå meir robust og praksisnært fagskuletilbod. i tillegg viktig at fagskulane vert ein større integrert del av eit heilskapleg utdanningssystem. Her har vi nok framleis eit stykke å gå. Samfunnet står overfor store rekrutteringsutfordringar. Fagskulane bør ha ei viktig rolle som tilbydarar av fleksibel opplæring meir tilpassa samfunnet sine behov. Heilt til slutt vil eg berre minne om at også innanfor fagskulefeltet er det behov for betre samarbeid, arbeidsdeling og

bl.a. knyttet til finansiering og opptaksområde. Noen av de beste fagskolene våre er jo nettopp de som henvender seg til et nasjonalt marked, og som ønsker å tiltrekke seg studenter fra hele landet. Det må vi mer støtte opp under enn vanskeliggjøre. Jeg er enig med statsråden i at regjeringa har viet dette mye oppmerksomhet til nå, og jeg er veldig glad for at politisk ledelse fortsatt skal gjøre det. Det er mange som ønsker å bli fagarbeider, og særlig hvis de får tenkt seg litt mer om, kombinert med litt bedre rådgivning, jf. debatten i forrige sak. Og så er det et arbeidsliv der ute som sårt trenger både mange og gode fagarbeidere framover. Så jeg er glad for at statsråden signaliserer dette. Jeg er uenig med statsråden min – for å si det på den måten på ett punkt, og det er når statsråden sier at fagskole er et «alternativ til høyere utdanning». Nei, fagskole er høgere utdanning. Noe av det vi skal gjøre framover, tror jeg, for å vie dette mer oppmerksomhet, er kanskje å utvikle to – skal vi si – mer og mer likeverdige utdanningssøyler. Vi har det akademiske på plass så til de grader, relativt sett kanskje for godt på plass, og så mangler vi noe tilsvarende likeverdig når det gjelder praktiske utdanninger. Nå begynner vi i ungdomsskolen å få godt på plass en likevekt, og vi er godt i gang også når det gjelder videregående opplæring. Så ber jeg også om å få fagskolene mer ordentlig på plass, gjerne legge noe på toppen, kanskje mesterbrev osv. Da får vi to likeverdige søyler som i seg sjøl står godt, men som samtidig skal ha noen muligheter i seg til at man liksom kan vandre mellom dem på en mest mulig skal ha noen muligheter i seg til at man liksom kan vandre mellom dem på en mest mulig kvalitativt forsvarlig måte. Jeg skjønner frustrasjonen til de fagskoler som ikke har tilpasset seg regelverksendringa, men nå nettopp har tatt opp på generelt grunnlag. Samtidig må det være viktig og godt å legge merke til at det er klare signaler både fra statsråden og fra NOKUT om at det ikke vil bli utført noe tilsyn tilsyn av dette i den perioden som en nå trenger for endelig å bestemme seg for hva som skal være den gode strukturen, og det riktige opptaksreglementet her. Da er noe av utfordringa at vi har tunge fagskoleutdanninger som nettopp vil bygge på fagbrev fra videregående skole. De tekniske fagskolene vil det jo, og fagskolene innen helse vil det i utgangspunktet, sjøl om vi der i stortingsmeldinga om velferdsyrkene har sagt at vi kan være litt mer åpne. åpne. Jeg har veldig sans for tankegangen slik den var i utgangspunktet, at det skulle være en – skal vi kalle det – etterutdanning for dem som allerede på videregående skole-nivå begynte å tenke fag- og yrkesutdanning. Så jeg skjønner at det er behov for å rydde her når det gjelder i hvilke tilfeller en vil si at fagskolene skal få ta utgangspunkt i generell studiekompetanse, og i hvilke tilfeller en tvert imot bør si at ungdommen bør begynne å utdanne seg i det faget allerede på videregående skole-nivå. Så her er det mye å ta fatt i. Det er lett kanskje å gripe til et ønske om stortingsmelding når en føler at ting er litt kaotiske. Jeg vet ikke om det er svaret her, Jeg vet ikke om det er svaret her, men jeg ser veldig fram til det videre arbeidet og ser det som helt sjølsagt at nærmest som representant for skoleeieren fylkeskommunen skal jeg delta med liv og lyst og engasjement i debatten

Dette er av stor betydning i et arbeidsmarked der endringer skjer fort. I tillegg opprettes det arbeidsplasser med nytt innhold som krever ny kompetanse. Den 30. mai 2011 i en interpellasjon fra representanten Bremer til forskningsministeren sa statsråden: «I tillegg er det meningen at ordningen med fagskoleutdanning skal være fleksibel, og og skoler skal kunne opprettes og nedlegges etter skiftende kompetanse- og kapasitetsbehov», som det står i Ot.prp. nr. 39 for 2006-2007. Det betyr at utdanninger som ikke lenger etterspørres i arbeidsmarkedet, heller ikke nødvendigvis bør tilbys av verken private eller offentlige fagskoler. En slik innretning av utdanningen krever et samspill mellom tilbydere av fagskoleutdanning og det regionale og det nasjonale er verre med den rigide godkjenningspraksisen som NOKUT nå fører i forbindelse med opptakskravene til skolene. Dersom denne praksisen blir stående, vil det føre til at f.eks. Campus Kristiania, sammen med flere fagskoler i Norge, er nødt til å legge ned sine fagskoletilbud, fordi opptaksgrunnlaget vil bli redusert med Dette får konsekvenser som Fremskrittspartiet ikke kan godta, og det bør heller ingen andre gjøre hvis de virkelig mener at fagskolene er så viktige som de gir uttrykk for at de er. Jeg tror heller ikke at det fra noens side var intensjonen med godkjenningskriteriene. Praksisen innebærer at NOKUT tolker regelverket på den måten at dersom det finnes et tilsvarende utdanningsprogram på videregående skole, skal det formelle opptakskravet for fagskoleutdanningen være den aktuelle utdanningen på videregående skole. Dette innebærer at de som har fullført videregående skole, må gå enda en runde i videregående utdanning de som har fullført videregående skole, må gå enda en runde i videregående utdanning dersom det på videregående finnes en bitte liten og til tider ubetydelig del av den type fag som de vil ta på fagskolen, jf. eksempelet med journalister. Det må da være mye viktigere at en journalist har gode allmennkunnskaper, kanskje mye viktigere enn at de har media og kommunikasjon fra videregående skole. Jeg kan ikke forstå noe I tillegg er det ressurssløsing, og Fremskrittspartiet anser dette som å være en helt urimelig tolkning av regelverket. Praksisen står også i stor kontrast til Meld. St. 13, Utdanning for velferd, der det står: «Regjeringen har generelt som mål at det norske utdanningssystemet skal være fleksibelt, jf. bl.a. St.meld. nr. 44 Utdanningslinja». Konkret vises det i meldingen til å åpne for helse- og sosialfaglig utdanning i fagskolen som kan bygge på en annen opplæring enn fagbrev eller yrkeskompetanse i helse- og sosialfag – altså ingen bakgrunn fra faget, det skal en se vekk fra. Videre står det: «Dette vil kunne bidra til å gi nye grupper en verdifull mulighet til kompetanseheving og dermed til å møte kompetansebehovene i tjenestene gjennom økt rekruttering av kvalifisert personell. Det vil også samsvare med føringene i forarbeidene til fagskoleloven om at begrepet «basert på videregående opplæring» skal tolkes vidt og at fagskoleutdanningen skal kunne fungere som en arena for faglig reorientering». Fremskrittspartiet mener at denne tolkningen også må gjelde for andre utdanninger i fagskolen. Derfor forventer vi nå at statsråden tar de nødvendige grep, slik at fagskoletilbudet ikke raseres, og presiserer tydelig at opptakskravet må tolkes vidt. Statsråden var for øvrig var for øvrig inne på å justere litt på godkjenningskravene, men det spørs om det er godt nok med hensyn til søkere med generell studiekompetanse. Avslutningsvis vil jeg også si at Fremskrittspartiet ønsker å få tilbakeført finansieringsansvaret til staten. Først har jeg lyst til å takke interpellanten for å sette en viktig sak på dagsordenen. Jeg er til staten. Først har jeg lyst til å takke interpellanten for å sette en viktig sak på dagsordenen. Jeg er også glad for at regjeringa har løftet fram fagskolenes betydning på en veldig god måte de senere årene. Regjeringa har opprettet et nasjonalt fagskoleråd og arbeider med å inkludere fagskolene som en naturlig del av utdanningstilbudet og en integrert del av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, som kunnskapsministeren nettopp sa. På mandag, under høringen om velferdsstatens yrker, fikk vi en ytterligere bekreftelse på at også organisasjonene anser fagskolene som en helt naturlig og nødvendig del av utdanningssystemet, som fyller en rolle som høgskoler og universiteter ikke gjør. Jeg har lyst til å minne forsamlingen om at fagskolenes rolle i utdanningssystemet ikke alltid Også i dag merker vi at den utfordres. Derfor er jeg veldig glad for at en så samlet utdanningskomité, og debattanter her i dag, ser verdien av fagskoletilbudet og har et samstemt ønske om å legge til rette for at fagskolene skal ha best mulig forutsigbarhet og gi et kvalitativt godt tilbud for studentene. Kompetanse er avgjørende viktig for den enkelte arbeidstaker og for arbeidslivet. Det er derfor bra at vi i Norge har høg studietilbøyelighet blant dem som går ut av videregående skole. Men det er misforstått å tro at god kompetanse er ensbetydende med eksamen fra universiteter og høgskoler. Vi trenger gode fagarbeidere og fordypning og spesialisering innen fag som bygger på yrkesfagene. Det er en av grunnene til at fagskolene er viktig for å sikre kvalitet og konkurransekraft i arbeids- og næringsliv.

Loven krever nå fagbrev fra videregående skole for opptak til enkelte fagskoler, men hensikten med fagskolene, høgskolene og universitetene er å sikre en befolkning med best mulig kompetanse. Dette må ligge til grunn. Det betyr at vi må ha et system som legger til rette for at studentene etter endt utdannelse har best mulig kompetanse, og at vi sørger for at flest mulig oppnår dette. Å søke opptak til fagskole med bakgrunn i generell studiekompetanse vil være en ytterligere mulighet til å styrke fagskoleutdanningen. Alternativet er at en ikke får denne studentgruppen inn i fagskolene. De blir dermed kvalifisert kun for høgskole eller universitet, samtidig som vi sier at vi gjerne vil ha flere fagarbeidere. Jeg ønsker et system som ikke er så rigid at det stenger dører som

men vi er i ferd med å slipe ned skarpe skiller mellom utdanningsinstitusjoner og profesjoner. Det tror jeg er bra. Og de som skal utføre bestillingen, må følge opp. Vi må framelske et utdanningssystem som tilpasser seg studentenes og samfunnets behov på en helt annen måte enn tidligere. Endringene går raskere, og da må også våre systemer respondere raskere. Vi har ikke råd til å la elever eller studenter stange hodet i veggen, og møte veggen i et utdanningssystem som begrunner motstanden med at systemet ikke tillater det. Vår oppgave som utdanningspolitikere på Stortinget er å legge til rette for at flest mulig får best mulig utdanning innenfor en forsvarlig ramme. Er det hindre i lover eller forskrifter som motvirker målet, må vi slik regjeringa nå gjør når det gjelder opptak til fagskolene, gjennom sitt forsøk. Dette er

Jeg tror at dette er et uttrykk for at fagskolene har en viktig, men litt udefinert rolle i vårt utdanningssystem. Det er mange private og en god del offentlige fagskoler. De er dessuten svært ulike, både i fagtilbud og størrelse. De finansieres til dels ulikt, og de offentlige skolene har gått fra staten som eier, til fylkeskommunen som eier. De har forskjellige roller i utdanningssystemet avhengig av hvilke fag de tilbyr, og de har dessuten svært ulike tradisjoner og historier tilbake i tid. Felles for dem alle er at de utgjør et viktig alternativ til høyskole og universitet. For mange arbeidsgivere gir dette utdanningstilbudet på regionalt nivå sårt tiltrengt, kompetent arbeidskraft, og for mange arbeidstakere og studenter gir fagskolen svaret på det spesifikke utdanningsbehovet de har – langt mer yrkesrettet enn det høyskole og universitet kan gjøre. Dette mangfoldet er bra og ofte relatert til regionale og bransjemessige behov. Samtidig gir det utfordringer for utdanningsmyndighetene, som skal sikre en viss kvalitet og forutsigbarhet når det gjelder hva en fagskole skal være, og hva slags kvalitet vi skal forvente av en godkjent fagskole. Vi ønsker at det skal være fleksible opptakskrav for å komme inn på fagskolene. Samtidig må de som blir tatt opp, som får et fagskoletilbud, være kvalifiserte, slik at de får et læringsutbytte som tilfredsstiller det nivået som læringsutbyttebeskrivelsene legger opp til. Denne balansen er krevende når det skal gjelde ett regelverk som er felles for alle skoler. Arbeiderpartiet mener det må være mulig å sikre en god balanse. Det betyr at det er naturlig at i de fagene som krever en spesifikk yrkesbakgrunn, er fagbrev et naturlig opptakskrav. Men når det gjelder utdanninger som ikke krever en slik spesifikk fagbakgrunn, bør det stille seg annerledes. Så fremt søkeren kan forventes å mestre fagskolenes utfordringer med en annen bakgrunn, f.eks. generell studiekompetanse, Så fremt søkeren kan forventes å mestre fagskolenes utfordringer med en annen bakgrunn, f.eks. generell studiekompetanse, bør det ikke kreves fagbrev. Hvilke fag og utdanninger som skal i hvilken kategori, kan ikke Stortinget bestemme. Det politiske ansvaret for dette ligger selvfølgelig hos kunnskapsministeren, men bør være i samarbeid med partene i arbeidslivet og fagskolerådet. Det er viktig at dette gjøres på en smidig måte og til det beste for dem det gjelder – nemlig de elevene som ønsker å gå på fagskolene, og arbeidslivets Ut fra hva statsråd Halvorsen har sagt i denne debatten, er jeg trygg på at vi får en god balanse mellom at det bør kreves et fagbrev på noen utdanninger, og at det ikke bør kreves på andre. Jeg er veldig takknemlig for at statsråden så tydelig har gitt svar, har invitert andre utdanningstilbud til ved neste Jeg er veldig takknemlig for at statsråden så tydelig har gitt svar, har invitert andre utdanningstilbud til ved neste søknadsfrist å søke om å få være med i forsøkene, og at statsråden er tydelig på at hun vil finne regler for opptak som også ivaretar behovet for Jeg er også veldig takknemlig for at det er klare tilbakemeldinger om at finansieringsmodellen nå blir sett på – at en kommer tilbake til det, sånn at vi prøver å finne gode løsninger for alle skolene. Så må jeg takke alle som har deltatt i debatten. Jeg synes det har vært en god debatt. Jeg vil takke for at alle har uttrykt vilje til å gjøre noe med dette og vil støtte opp om fagskolene og at fagskolene skal få et godt tilbud.

kun kort tid siden jeg fikk ansvaret for fagskolene. Vi har fremdeles en jobb å gjøre med å få fagskolene til å komme på plass, for, som komiteens leder, Marianne Aasen, var innom, er dette mange ulike skoler som nå har lik betegnelse. De dekker ulike behov, så vi må finne den rette fleksibiliteten på det. Men det er klart at hovedutgangspunktet her har vært å gi ytterligere utdanningsmuligheter til dem som i utgangspunktet har hatt et fagbrev. Så er det flere andre varianter som på en måte har knyttet seg på, og da må vi prøve å finne ut av hvordan det særpreget skal videreutvikles og sikres. Til representanten Aksel Hagen: Jeg blir selvfølgelig alltid nervøs når representanten Hagen er uenig med meg, men jeg lurer på om jeg ikke raskt kan rydde opp i denne uenigheten. alternativ til høyskoler og universiteter kan vel kanskje representanten Hagen godta. Så er det fred og fordragelighet også innen SVs rekker, og vi kan trygt gå påsken i møte. Det var en god avslutning, og presidenten vil også få ønske statsråden en god påske. Dermed er debatten i sak nr. 16 avsluttet. Ingen har bedt om ordet. Da er Stortinget klar til å gå til votering. I sak

innstillinga

Stortinget er veldig glad for den jobben du har gjort, og som denne voteringen har vist, så har vi gjort det rett også denne gangen – selv om det kommer noen fra sidelinjen og prøver å antyde noe annet. Det andre presidenten ønsker å gjøre, er selvfølgelig å ønske stortingsrepresentantene og de ansatte en riktig god påske! Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er